Utsirahøyden tid til å finne gode tekniske løsninger som gjør det mulig å realisere en områdeløsning på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. 2022 samsvarer med Statoils egen plan for utbygging av byggetrinn 2 på Johan Sverdrup, noe som gjør det mulig å bygge nødvendig teknisk infrastruktur til havs i tilknytning til nye installasjoner i byggetrinn 2. Samtidig understreker komiteen at alle installasjoner som bygges på land i forbindelse med byggetrinn 1, skal bidra til å realisere en områdeløsning med kraft fra land til alle feltene på Utsirahøyden innen utgangen av 2022. Hva er så klimaeffekten av det Stortinget nå vedtar? Det kommer an på hvilket tidsperspektiv vi legger til grunn. Klimaforlikets mål strekker seg til 2020. Ettersom Johan Sverdrups første byggetrinn skal starte produksjon sent i 2019, og utslippene fra de tre andre feltene, Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen, er relativt sett små i tidsrommet før 2020, har tidspunktet for områdeelektrifisering begrenset innvirkning på Norges evne til å nå klimamålene innen 2020. Norges utslipp fra petroleumssektoren er også underlagt EUs kvotesystem, og dermed fører utslipp fra Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg i perioden fra 2020 til 2022 ikke til økte utslipp i Europa, dersom EU nå blir enige om å videreføre kvotemarkedet fra 2020 til 2030 med de I et lengre tidsperspektiv stiller saken seg helt annerledes. Det er ikke forenlig med Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 at vi bygger nye, store utslippskilder som vil slippe ut titalls millioner tonn CO2 de neste 50, 60, 70 årene. Vi vet også lite om hvordan karbonprisen utvikler seg. Dersom EU skal nå målet om å redusere utslippene i Europa med 80–95 pst. innen 2050, kan vi imidlertid legge til grunn at karbonprisen vil øke, og at store punktutslipp må renses, fases ut eller erstattes med miljøvennlige alternativer over tid. Dagens vedtak er derfor en langsiktig investering i fremtidens lavutslippssamfunn. Verden kommer fortsatt til å trenge olje og gass i tiårene fremover, også innenfor et 2-graders scenario. Norge har de høyeste karbonprisene og de strengeste miljøkravene for oljeproduksjon i verden. Det gjør oss godt stilt til å være en leverandør av olje og gass også i et marked der karbonprisene stiger og utslippskravene strammes inn. Verden kommer ikke til å slutte å etterspørre olje og gass fordi land som Norge lar være å produsere. Det er nok hydrokarboner til å dekke opp for Norges produksjon. Etterspørselen etter fossil energi vil bare avta dersom vi lykkes i å utvikle konkurransedyktige alternativer innen transport, industri og kraftsektoren. Petroleumssektoren gir oss finansielle muskler til å bidra til dette grønne Stortinget behandlar i dag eit Dokument 8-forslag frå SVs representantar Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om elektrifisering av Utsirahøgda. Det er sjeldan at ein ser at eit representantforslag får den merksemda og har den betydninga som nettopp det vi debatterer i dag. Forslaget går i korte trekk ut på at oljeselskapa på Utsirahøgda blir pålagde å gå for ei felles kraft frå land-løysing til Johan Sverdrup og vidare til Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog frå dag éin. På denne måten ønskjer forslagsstillarane å fullelektrifisere den såkalla Utsirahøgda med nemnde petroleumsfunn samla. Bakgrunnen er dei store utsleppa av klimagassar frå petroleumsaktiviteten på sokkelen. Dette har bekymra fleire over tid, og derfor er bransjen pålagd eit avgiftsnivå på om lag 450 kr per tonn utslepp, for på denne måten å ha eit incitament til utsleppsreduksjon. Derfor er det viktig å understreke at regjeringa heile tida har hatt som mål å elektrifisere det store funnet, Johan Sverdrup, som ville ha resultert i reduserte områdeutslepp på om lag 70 pst. innanfor eit kostnadsnivå som ville vere akseptabelt for dei fleste. Så skal det også understrekast at Stortinget aldri tidlegare har gått inn i ei utbygging i ein så tidleg fase og lagt detaljerte krav for utbygginga, utanom dei generelle krava som går fram av stortingsmeldinga med det gode namnet En næring for framtida. Trass i at den førre regjeringa med SV som medforslagsstillar relativt nyleg har lagt rammene for denne viktige næringa med nettopp denne meldinga, å fremje forslag som for femte gong på relativt kort tid endrar rammevilkåra og skaper usikkerheit og fjernar den føreseielegheita ein burde kunne forvente for landets viktigaste næring. Det er svært uheldig, spesielt når utbygginga i seg sjølv er så betydeleg og set så utruleg mange arbeidsplassar i spel. Det er den største industrielle satsinga på norsk sokkel på lang tid, og betydelege ressursar er brukte av tiltakshavarane på prosjekteringssida. Mange frykta for at desse mange hundre millionane var kasta vekk, og at ein måtte starte opp på ny. Heldigvis unngjekk vi dette ved at ein samla komité i dag legg rammene for utbygginga av heile Utsirahøgda. Det gler meg, spesielt på bakgrunn av dei mange kontaktane frå fagrørsle og andre som vi opplevde i den tida dette gjekk føre seg. Framstegspartiet er også glad for at ein samla komité understrekar at dette ikkje betyr at Stortinget endrar praksis for andre utbyggingar på norsk sokkel. Med unntak av dei spørsmåla som her blir omtalte, vil også den vidare behandlinga av plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup skje etter ordinær er heller inga hemmelegheit at forliket som ein samla komité står bak i dag, ikkje er Framstegspartiets primærpolitikk. Men for å unngå ei utsetjing som set tusenvis av arbeidsplassar i verftsindustrien i fare og gir eit noverditap på 20 mrd. kr, har vi akseptert ei områdeløysing som vil innebere at heile områdets kraftbehov skal dekkjast med kraft frå land. I samband med utarbeidinga av vilkåra i for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet blir det stilt krav om at kabelsamband mellom dei ulike installasjonane på Utsirahøgda blir etablert i Johan Sverdrups oppstarttrinn 2. Også anlegg som blir bygde på land for framføring av kraft og gjer det mogleg å forsyne heile området med kraft frå land, blir gjennomførde allereie i samband med første byggjetrinn av Johan Sverdrup, for å synleggjere at ein ønskjer å vise ber komiteen om at andre viktige løysingar og krav blir klargjorde i PUD-en som vil bli behandla her i Stortinget våren 2015. I den samanheng blir det stilt krav om at heile områdets kraftbehov skal dekkjast av kraft frå land så raskt som mogleg og seinast i 2022. Men i sum eit forlik som er til å leve med når innsatsfaktoren er eit kjempefunn som vil gi store inntekter og bidreg til gode arbeidsplassar og økonomi i mange tiår framover. Klimaeffekten, derimot, vil vere positiv for Noreg, men det må vere lov å setje spørsmålsteikn ved kost–nytteeffekten og om dette ville hatt større effekt andre stader, kanskje i Europa, som ville ha redusert dei globale utsleppa, og det er vel det som er målet. Å redusere dei globale utsleppa er vel viktigast. Dette er en ekstraordinær behandling, og det er en ekstraordinær sak. Det er et viktig industriprosjekt, men det er også et viktig Jeg tenkte jeg skulle si litt om historien. I denne sal har en behandlet tre PUD-er allerede for tre av plattformene som er bygd ut, eller skal bygges ut, på Utsirahøyden. I hver enkelt plan for utbygging og drift er det stilt vilkår om at de skal kobles til kraft fra land, og det kommer. Det er også til og med blitt gjort tilpasninger med hundrevis av millioner I plan for utbygging og drift av Edvard Grieg fant operatøren prisen per tonn CO2, altså tiltakskosten, for kraft fra land til hele feltet Edvard Grieg, Gina Krog, daværende Dagny, og Ivar Aasen, daværende Draupne, til å være Det er interessant når en ser tilbake, at det var 700 kr. Til sammenligning har operatøren for Johan Sverdrup og hele Utsirahøyden beregnet det til et sted mellom 975 og 2 300 kr. Hadde det blitt gjort da, bare for de tre feltene, hadde det kostet 700 kr. Det har vært store forventninger om at kraft fra land skal komme til alle feltene. Det har blitt nevnt i klimaforliket, og også i andre settinger. Jeg vil også stille spørsmål ved oppfølginga fra den forrige regjeringa når det gjelder hvor vi står i dag. dag. Undertegnede – pluss flere – stilte flere spørsmål etter behandlinga av Edvard Grieg, og også etter Gina Krog, i denne salen, nettopp fordi vi så tegn som tydet på at prosjektene, med et felles prosjekt for å sikre utbygging av kraft fra land til hele Utsirahøyden, ikke gikk som det skulle. Derfor vil jeg også si, i starten av behandlinga av saken, at når den nåværende regjeringa overtok saken og fikk et havarert prosjekt i hendene, er det klart at det også skapte utfordringer. Men for Kristelig Folkeparti var det også absurd å vente i over ett år før plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup skulle komme i denne salen, og så få beskjed om at det var umulig å gjøre endringer. Det er en forvaltningsmessig absurd ting. Det betyr at her vi står i dag, er det for sent å gjøre endringer, fordi det vil føre til Derfor er jeg glad for at vi har fått et samlet vedtak som sier «så raskt som mulig», og jeg bruker de ordene, for jeg legger merke til at de foregående talerne legger vekt på «senest i 2022». Men vi har altså sagt «så raskt som mulig». Jeg er også glad for at Stortinget ønsker Oljedirektoratets vurdering av når «så raskt som mulig» er. Derfor knytter jeg også forventninger til ODs behandling og faglige vurdering,

annet. Derfor er jeg glad for at Stortinget nå sier at vi skal ha Oljedirektoratets faglige vurdering av om det er mulig. Det er også det eneste korrektivet vi har som politikere til å kunne se om det faktisk er mulig å få bygd ut full elektrifisering fra start, uten at det fører til utsettelse. For det er jo nettopp det leverandører hevder, det er nettopp det uavhengige eksperter hevder, at dette faktisk er fullt mulig å få til fra 2019. Og jeg jeg har faktisk stor tro på Statoils mulighet og evne til å løse tekniske utfordringer. De har løst mange før, og de kommer til å løse mange framover, så jeg tror det kan være mulig. Derfor har jeg forventninger om at ODs vurdering når den kommer, er grundig og god, og også kan vise at det faktisk er mulig å få til dette tidligere. For hvis ikke vil det komme store utslipp hvert år som vi kunne Når jeg bare ser på snittet i PUD-ene på utslipp for hver av de tre plattformene som allerede er gitt tillatelse, er det ca. 400 000 tonn – som dermed må kuttes i andre sektorer. Det går ut over transportsektoren, og det går ut over industrien – fordi vi skal nå målene i 2020. Så er det også en logisk brist at Ivar Aasen, Edvard Grieg og Gina Krog bygges ut med en stikkontakt på hver plattform til hundrevis av millioner, mens det ikke gjøres på Johan Sverdrup. Det må altså løses på en annen måte i neste fase. Logikken og den helt åpenbare og beste samfunnsmessige og miljømessige investeringa ville vært å gjøre alt på en gang. Og det håper jeg at vi framdeles kan få til. Det er

til. Det er svært positivt at et samlet storting nå klart og utvetydig vil nedfelle i vedtaks form at feltene på Utsirahøyden skal elektrifiseres. Det er både et viktig miljøprosjekt og et viktig industriprosjekt. Nå viser kanskje de tre foregående innleggene at premissene til de ulike partiene som skal stemme for dette, kanskje er litt forskjellige, og at forventningene kanskje også er litt men jeg har lyst til å understreke betydningen av at et samlet storting gjør vedtak i denne saken. For det betyr at ingen lenger kan være i tvil. Det betyr at all usikkerhet er ryddet av veien. Det betyr at det er ikke noe mer om og men. Det må planlegges for, det må prosjekteres for, det må inngås avtaler om, og det må gjennomføres. Det gir etter min mening en forutsigbarhet, både for for fagdepartementet, for regjeringen og for det politiske miljøet for øvrig. Dermed er det egentlig et nokså langt løp som er brakt til en slags ende via politiske vedtak, og jeg synes vi skal ha det med oss. Dette spørsmålet har vært utredet en rekke ganger, og det har stadig vært ulike årsaker til at en ikke har kunnet gå videre og gjennomføre det. Den første gangen ble oljevirksomheten ville bli betydelig redusert etter år 2000, og at det derfor ikke var aktuelt og interessant å gjennomføre det. Den andre gangen det ble utredet, ble det lagt til side fordi en antok at Norge ville gå mot et stort kraftunderskudd, og at elektrifisering dermed måtte baseres på importert kullkraft. Og den tredje gangen ble det lagt til side fordi en antok at en høy kvotepris ville drive kraftprisen så opp at det ville bli Alle disse forutsetningene har vist seg å være gale. Derfor tror jeg det er viktig at en nå politisk faktisk har bestemt seg og gjør de vedtakene som er nødvendige. Det betyr også at en ikke lenger kan finne noen omveier, etter min mening. En kan ikke si at, nei, vi fant til slutt ut at konseptet ikke lar seg gjennomføre på den og den måten. Ingen kan nå si at det var noe om og hvis og men, nå må faktisk alle aktørene forholde seg til at Stortinget har gjort et vedtak. Så har det sjølsagt vært mange diskusjoner, både om hvordan det kan gjøres, og til hvilken tid. Det må vi erkjenne. Det som ligger her i dag, er et kompromiss mellom alle partiene på Stortinget. Det er to nøkkelpunkt som jeg synes er litt Det ene er at jeg har respekt for at Stortinget ikke skal gå inn og avgjøre hvilke tekniske løsninger en skal gjennomføre det med. Det mener jeg at Stortinget ikke har forutsetninger for å gjøre. Litt av debatten har antakelig ligget i det. Jeg har også respekt for at Stortinget skal sørge for en løsning som ikke bidrar til at det blir forsinkelser som kan komme til å ramme leverandørindustrien. Men jeg mener også at det kompromisset vi i dag vedtar, ivaretar de to hensynene. Vi har gjort de tilpasningene som er nødvendige for å gjøre det. Men det forringer ikke og det utydeliggjør ikke den klare marsjordren som tverrpolitisk blir gitt her i dag. Det er viktig at regjeringen også lærer at den må forholde seg til Stortinget, og også forut for plan for utbygging og drift være villig til med på de vedtak som et flertall i Stortinget mener må gjøres. Jeg er høyst overrasket over at representanten Astrup her faktisk mener at vi burde ha ventet til plan for utbygging og drift ble framlagt. Det er en meget formalistisk argumentasjon. Alle vet jo at når plan for utbygging og drift blir framlagt for Stortinget, er det svært liten handlefrihet igjen for Stortinget til å påvirke både tidsløpet og også innretningen av det som blir framlagt fra regjeringen basert på selskapenes anbefalinger. Så det betyr at skulle man gitt et signal, måtte man gitt det signalet nå. Jeg regner med at regjeringen vil forholde seg til det med det største alvor og også gi klare signaler til selskapene om hvordan de skal forholde seg videre til dette spørsmålet. Representanten Grimstad var bekymret for rammebetingelsene, og det Representanten Grimstad var bekymret for rammebetingelsene, og det er for så vidt greit å minne ham om at han og Fremskrittspartiet skal stemme for en rammebetingelse i dag. Jeg vil berolige Fremskrittspartiet. Jeg mener at aktørene på en god måte vil ha mulighet til å forholde seg til dette. Jeg tror at vi gjennom det vedtaket som i dag gjøres, faktisk har skapt sikkerhet og ryddet av veien en del tvil, og at vi også har all grunn til å forvente at de forutsetningene som ligger der, nå vil bli innfridd.

innfridd. Jeg vil først takke saksordføreren og også alle fra partiene som har deltatt i arbeidet i komiteen, for hvordan man har kommet fram til denne enigheten om Utsirahøyden. For de som har fulgt diskusjonene i Stortinget gjennom hele vinteren, og også de konfliktene som har vært der, har det ikke vært entydig at vi skulle komme fram til en så bred enighet nå til det er riktig at det er veldig uvanlig å gjøre denne type vedtak via et Dokument 8-forslag, er i hvert fall ikke vi fra Venstre i tvil om at i denne saken var det helt nødvendig og helt riktig å komme med et tydelig vedtak nå. Selv om regjeringen har hatt som mål – som representanten Nikolai Astrup sier – at man skal ha en områdeløsning, er i hvert fall ikke jeg i tvil om, ut fra de signalene regjeringen har gitt, at det var nødvendig nå å gjøre vedtak. Det er først fra den 16. mai at dette har blitt en diskusjon – ikke om vi skal ha en områdeelektrifisering, men en diskusjon om når vi skal få den på plass. Nå er det ikke lenger en diskusjon om pris- og tiltakskostnader, men det handler om hvordan dette kan gjøres, og hvordan det kan gjøres så tidlig og kostnadseffektivt som mulig. Fra Venstres side understreker vi også tydeligheten i vedtaket. Jeg bruker begge delene – at det er så raskt som mulig, men også absolutt senest i 2022. Vi ser også veldig fram til den utredningen som Oljedirektoratet skal gjøre for å se på muligheten for å få en sammenkobling av de ulike feltene tidligere enn 2022. Det er mange diskusjoner. Én ting er kostnader. Hvordan kan man komme i gang? Vil det føre til utsettelser? Jeg er beroliget på at dette er et vedtak som står seg. Dette vil gjennomføres. Så er det også en diskusjon omkring klimaeffekten. Da er det betryggende å se oppslagene i Teknisk Ukeblad, som har gjennomgått nettopp alle diskusjonene og også hvilken klimaeffekt man kan ha av å elektrifisere Utsirahøyden. Da er det ingen tvil om at det er en fordel å elektrifisere der. Man kan bruke den ekstra gassen enten i et mer effektivt gasskraftverk i Europa eller i ulike husholdninger i Europa, der det kan erstatte kull, i stedet for kraft fra land i Norge, som sannsynligvis vil være fornybar, og som i verste fall vil være utslag av en nordisk kraftmiks. Kvotesystemet som det ofte refereres til, er jo slik at hvis man kutter ett sted innenfor kvotesystemet, vil det bare føre til at det er en økning et annet sted. Men denne situasjonen er ikke reell. så mange kvoter som det er utslipp. Da er det jo sånn at de utslippene også innenfor kvotesystemet er reelle utslipp, uten at det fører til noen endring eller økning andre steder. Ut fra de utredningene som er i Teknisk Ukeblad, vil det vi nå vedtar i dag, når det er gjennomført, gi et reelt utslippskutt på 1,5 millioner tonn i året, ikke bare i Norge, men også i et europeisk perspektiv. Det er absolutt noe jeg mener at Stortinget kan være stolt av at vi nå gjennomfører. Skal vi nå klimamålene våre – og dette handler ikke bare om fram mot 2020, her vil effekten komme senere – må vi gjennomføre mange tøffe vedtak. Dette er et av de tøffe vedtakene som Stortinget nå gjennomfører. gjennomfører. Da er det bra at det er et samlet storting, med alle partier, som står bak et tydelig vedtak, og på et tidspunkt som er riktig for å oppnå resultatene og sørge for at vi får en områdeløsning med elektrifisering av Utsirahøyden. Utsirahøyden. Jeg vil anklage Tord Lien for å villede Stortinget i Utsira-saken og ikke følge opp stortingsvedtak. Den 12. februar sto Tine Sundtoft og snakket om Utsira her på Stortingets talerstol. Det var muntlig spørretime. 2. april sto Tord Lien her. Det han sa der, var rett og slett ikke sant. Ved begge de anledningene uttrykte statsrådene at regjeringen arbeider med en kraft fra land-løsning til Utsira og forventer at selskapene gjør det samme. Men det hadde selskapene allerede gitt beskjed til regjeringen om at de ikke gjorde. I slutten av desember meldte nemlig selskapene inn til regjeringen at med de utregningene de hadde foretatt ved å gjennomføre en utbygging av en såkalt en hub som skulle skaffe strøm til hele Utsira-feltet, ville beregningene fra de utregningene de hadde gjort, vist et negativt nåverdiresultat. Rene kommersielle hensyn ville derfor tilsi at man ikke ønsket å bygge ut, hvis man la kommersielle hensyn til grunn. Den 23. januar sender så Tord Lien ut en pressemelding der han sier: «Basert på de rammebetingelser som er gitt, må selskapene på forretningsmessig grunnlag blant annet etablere en utbyggingsløsning, herunder vurdere hvilken kraftløsning som er best for den enkelte utbygging.» Det Tord Lien da sier, er at selskapene skal få anledning til å legge de kommersielle hensynene til grunn, i stedet for å legge de klimamessige føringene grunn. Han varsler at han ikke kommer til å pålegge selskapene noe de selv ikke finner kommersielt. I en sånn setting er det helt uforståelig at han kan stå på Stortingets talerstol, at representanter for regjeringen kan stå på Stortingets talerstol, og si at de forventer at selskapene arbeider for en kraft fra land-løsning, for det hadde selskapene allerede gitt beskjed om at de ikke gjorde. Det andre er at Stortinget har satt som mål å redusere klimautslippene i Norge. Vi har sagt veldig klart fra at vi ønsket å sette det som et mål å få på plass en områdeløsning for hele Utsira, fordi – som Miljødirektoratet sa i sin rapport – dette er avgjørende viktig for at vi skal kunne nå klimamålene våre innen 2020. Til dette har Tord Lien alltid insistert på at hovedvirkemidlene for å få fram elektrifisering er den høye utslippskostnaden. Problemet er at Tord Lien oppfører seg som om det ikke bare er hovedvirkemidlet, men det eneste virkemidlet som staten har tenkt å ta i bruk for å oppnå elektrifisering. Tord Lien har med de vedtakene som er fattet i forbindelse med PUD-ene – plan for utbygging og drift – som ble gjort i det forrige storting, hatt all mulig ryggdekning for å pålegge, være tydelig i dialogene med selskapene helt fra starten på at de kunne forvente krav med pålegg om elektrifisering av hele Utsirahøyden. Jeg vil gjerne understreke at de ordene har Tord Lien aldri tatt i sin munn. Han har aldri sagt at han har til hensikt å pålegge de forskjellige selskapene en områdeløsning. Han har aldri sagt det, og han har ut fra alt vi har spurt om fra Stortingets side, heller aldri arbeidet for det. Dermed mener jeg at han har gjort seg skyld i den synd det er å ikke følge opp et stortingsvedtak, men isteden peke på at han mente at han ikke hadde redskapene som trengtes. Vi må ikke glemme hva denne saken handler om. Det er at skal vi stoppe de farlige klimaendringene, må vi gjennomføre en klimadugnad, som regjeringen selv har kalt det, der alle land bidrar, og der særlig land som Norge, som har evner til å kutte, og som forurenser mest per innbygger i verden, må kutte, og der alle industrier og næringer er med på å gjøre jobben. I Norge har vi én næring som nekter å være med på den klimadugnaden, og det er oljenæringen. Siden 1990 har oljenæringen kontinuerlig økt sine utslipp og ligger nå mer enn 6 millioner tonn over det utslippsnivået de hadde i 1990. Dette er altså brorparten av de kuttene vi må gjennomføre for å være på plass med klimaforliket innen 2020, som Stortinget har vedtatt. Jeg vil gjerne i samme åndedrag understreke at den øvrige delen av industrien, fastlandsindustrien, har gjort jobben sin med å redusere utslippene sine og har klart å bidra til den klimadugnaden. Det er da statsråd Tord Lien må bestemme seg. Er han Stortingets mann til å styre rammene for oljeindustrien, eller er han oljeindustriens løpegutt til Stortinget? Der vil jeg bare si at landet tåler ikke det siste. Vi i SV fremmet forslag om en områdeløsning fra første dag, med andre ord i 2019, første dag i Johan Sverdrups levetid, fordi vi ikke hadde noe valg – ikke som Nikolai Astrup hevder, som et tilfeldig valgt forslag, men fordi vi ikke hadde noe valg hvis vi skulle komme i mål med å pålegge oljeindustrien tidligst nok at de skulle få gjort de endringene som var nødvendige. Det gjorde vi, og prosessen har vist at det var helt rett. Jeg er veldig glad for at vi i dag er samlet om vedtak som sikrer at vi på en skikkelig måte stiller krav til oljeindustrien om å bidra til klimadugnaden. Jeg er også glad for at regjeringspartiene ville være med, men jeg vil samtidig understreke at olje- og energiministeren og regjeringspartiene i ettertid har oppnådd en viss suksess med å selge inn tolkningen sin om at Stortinget bare har vedtatt det som regjeringen alltid har ment.

Hans partikollega representanten Oskar J. Grimstad fra Fremskrittspartiet uttalte til og med til NRK at det var urimelig å pålegge oljeindustrien store kutt, og antydet i stedet at det kunne være riktig å la bilistene og fastlandsindustrien ta ekstra kutt for å nå Norges klimamål. I dag får vi likevel Stortinget med oss på å stille klimakrav til oljeindustrien. Den gode nyheten – som flere av talerne har vært innom, også saksordfører Terje Aasland, som har lost dette i havn – er at Johan Sverdrup-feltet skal drives med utslippsfri kraft fra land i hele feltets 50-årige levetid. I tillegg kvitter vi oss med tre sterkt forurensende gasskraftverk på de andre oljefeltene på Utsira senest i 2022. Den dårlige nyheten er at vi ikke fikk med oss Stortinget på å gjennomføre kuttene tidligere, allerede i Det finnes alltid unnskyldninger for å la være å ta teknologi i bruk. Stortingets inngripen som vi i dag vedtar i Tord Liens passive klimapolitikk, er viktig. Men kuttene kan komme for sent til å innfri Norges klimamål for 2020. Det mener jeg at de partiene som ikke var villig til å stille kravene allerede fra 1. januar 2019, bærer ansvaret for. Det hadde vært interessant siden vi har klima- og miljøminister Tine Sundtoft i salen – å høre hvor hun ser for seg at vi skal klare å ta kuttene hvis vi ikke får på plass kutt fra hele områdeløsningen på Utsirafeltet fra første dag. Denne dagen er historisk, for selv om vi ikke får dette til fra første dag i 2019, er dette en dag der vi sier klart ifra. Gjennom et representantforslag i Stortinget har vi sørget for at oljeindustrien ikke får det som de vil når verdens klima står på spill. Til slutt vil jeg bare si en ting om oppfølgingen. Her forventer jeg en beskjed fra Tord Lien – i hans innlegg – om hvordan han tenker å følge opp det ene punktet som spesielt representanten fra Kristelig Folkepartiet var innom. Det er punktet hvor vi sier at energi- og miljøkomiteen ber om at Oljedirektoratet må legge fram en faglig vurdering av om hvor raskt en kabelforbindelse mellom alle feltene på Utsira skal etableres, og om det er mulig allerede fra produksjonsstart. Jeg vil også understreke at det er ekstremt viktig at olje- og energiministeren er tydelig i sin med Oljedirektoratet og oljeselskapene, og at Oljedirektoratet må få mulighet til å få hente inn all den kompetanse som er nødvendig – også ekstern kompetanse – for å gjøre de vurderingene. Jeg vil understreke betydningen av at Tord Lien sier til oljeselskapene at stortingsvedtakene vi gjør i dag, betyr snarest mulig og senest 2022. Det betyr ikke 2022. Det betyr snarest mulig og senest 2022. 2022. Og vi sier så raskt som mulig om kabelforbindelsene mellom installasjonene. installasjonene. Miljøpartiet De Grønne slutter seg selvfølgelig til jubelkoret over at vi har fått en enighet i hele Stortinget om elektrifisering av Utsira, og vi er imponert og takknemlig over det gode arbeidet som ligger bak dette vedtaket. Vi er glad for at vi med dette har sikret at energibehovet for hele skal dekkes med kraft senest i 2022 og snarest mulig, som flere representanter har påpekt. Vi er selvfølgelig ikke minst glad for at Stortinget med dette har tatt tilbake styringen – i hvert fall en del av styringen – over norsk klimapolitikk. Vi i Miljøpartiet De Grønne ser dette som et lovende oppgjør, oppgjør, eller i hvert fall et tegn til vilje til oppgjør, med den temmelig servile holdningen som både den rød-grønne regjeringen, deres forgjengere og et stortingsflertall som har støttet dem, har ført overfor petroleumsindustrien i svært lang tid. Vi har en annen innfallsvinkel til saken om Utsira og elektrifisering enn det andre partier har. Vi er motstandere av å sette Johan Sverdrup og Utsirahøyden i drift i det hele tatt, og vi sliter for så vidt som miljøparti med å glede oss over et funn som vil føre til enorme nye klimagassutslipp fra norsk sokkel, eller forårsaket av norsk sokkel, gjennom svært lang tid. er bare den nest beste løsningen for Norges forvaltning av disse oljefeltene. Det Norge må gjøre, er å ta aktive grep for å redusere aktiviteten på norsk sokkel – ikke overlate det til et verdensmarked og faktorer som vi ikke har styring på, og hvor vi ikke vet resultatet av den langsiktige utviklingen. Å la ressursene på Utsirahøyden ligge vil bety å la være å tilføre atmosfæren klimagassutslipp tilsvarende kanskje 50 ganger mer enn utslippsreduksjonen som oppnås ved å elektrifisere området. Så påpeker den ene representanten etter den andre at «if I don't do it, somebody else will». Men det er, som alle vet, feil. For det første er den fysiske oljemengden og den fysiske karbonmengden som den fysiske oljemengden og den fysiske karbonmengden som finnes i Utsirahøyden, en mengde som kommer i tillegg til annet utslipp i atmosfæren fra andre kilder. For det andre er det, som alle vet, ikke slik at andre land ikke ser hva Norge gjør. Så lenge Norge har som politikk å slippe ut alt vi kan av våre Så lenge Norge har som politikk å slippe ut alt vi kan av våre ressurser, kan vi rimeligvis ikke vente annet enn at andre land gjør det samme. Vi kan ikke argumentere med at det kommer en internasjonal klimaavtale som vil løse problemet. Vi kan ikke argumentere med at det kommer en internasjonal CO2-pris som vil løse problemet, og vi kan ikke argumentere med at kvotemarkedet i EU vil løse problemet – fordi all mulig kynisk og teknisk sannsynlighetstenking vil skje. Vi må på et eller annet tidspunkt ta et ansvar selv. Ett av de ansvarene er å begynne å ta stilling til hvor mye av våre egne ressurser vi skal produsere. I debatten om elektrifisering har selvfølgelig Miljøpartiet De Grønne primært ønsket elektrifisering fra dag én. Det har vi ønsket av to årsaker, delvis fordi en elektrifisering som i verste fall utsettes til 2022, vil gjøre Norges mulighet til å levere på våre klimaløfter i forhold til utslippskutt i 2020 enda vanskeligere enn de allerede er. Det andre er selvfølgelig erfaringene fra Mongstad. Det er nødvendig at Stortinget tar styringen og ikke overlater til aktørene å krype ut av de smutthullene som vil komme. Derfor er det beste ved dette vedtaket, i tillegg til at vi unngår en del utslipp, at Stortinget nå har tatt styring. Jeg håper ikke at understrekingen av at dette er et unntakstilfelle,

de tre feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog er allerede i gang, mens rettighetshaverne i det gigantiske Johan Sverdrup-funnet planlegger innlevering av plan for utbygging og drift for første byggetrinn tidlig i 2015. Johan Sverdrup-utbyggingen vil bli blant de største oljefeltene på norsk sokkel når det kommer i produksjon. Ikke siden 1980-tallet har et funn med så store ressurser

kr. Aktiviteten knyttet til Sverdrup og øvrige felter på og ved Utsirahøyden vil gi svært store og viktige sysselsettings- og verdiskapingseffekter i mange, mange tiår framover. Produksjonen fra disse feltene, med Sverdrup som den klart største bidragsyteren, vil gi betydelige inntekter til det norske samfunnet. samfunnet. Jeg vil si at de enorme verdiene denne utbyggingen representerer for det norske samfunnet, har blitt overskygget av debatten om kraftløsning for Utsirahøyden. Derfor fant jeg grunn til å si litt om det. Spørsmålet om kraftforsyning til felter på Utsirahøyden har vært utredet i flere omganger de siste årene, og det er brukt flere hundre millioner kroner på disse arbeidene. Det har hele tiden vært rettighetshavernes plan at det gigantiske Sverdrup-feltet skulle forsynes med kraft fra land. Regjeringen har i tillegg hatt som mål at de øvrige, mindre feltutbyggingene på sørlige deler av Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land. Jeg synes vi har hatt en god debatt, men jeg synes muligens at representanten Eidsvoll Holmås går litt Johan Sverdrup blir elektrifisert uansett, uavhengig av dagens vedtak. Det utgjør det aller meste av kraftbehovet på Utsirahøyden. Det representanten Eidsvoll Holmås og jeg har diskutert fra Stortingets talerstol, er et krav om at også de tre mindre feltene skal ha kraft fra land fra det øyeblikket Johan Sverdrup starter opp. Det er nå et standpunkt representanten Eidsvoll Holmås kommer til å stemme for i dagens votering. Men det var ikke bare internasjonale investorer, men også leverandørindustrien og fagbevegelsen som uttrykte sterk bekymring over det som ble lagt fram den 16. mai i år. Jeg har lyst til å benytte denne anledningen til å takke fagbevegelsen for det sterke og tydelige engasjementet i denne saken. Jeg tror at det engasjementet har vært et helt vitalt bidrag til at denne saken fikk den løsningen den fikk. Jeg er glad for at man har funnet en god løsning – og i likhet med mange andre vil også jeg gi honnør til saksordføreren, fra opposisjonen – at man har kommet hverandre i møte og funnet en løsning som sikrer at første byggetrinn av Sverdrup-prosjektet går videre som planlagt. Dette vil gi store – etterlengtede, må jeg si – muligheter for en leverandørindustri under press. Det er avgjørende at første byggetrinn av dette store industriprosjektet går videre som planlagt, sånn at leverandørene kan konkurrere om store kontrakter i 2015. Andre byggetrinn vil kunne starte så tidlig som tre år etter at første produksjon. Jeg vil selvfølgelig omtale de andre byggetrinnene i proposisjonen Stortinget etter planen skal få seg forelagt neste år. Da vil jeg også komme tilbake til de forholdene komiteen har tatt opp knyttet til etablering av en områdeløsning. Forutsigbare rammer og klar arbeidsfordeling er helt avgjørende for god ressursforvaltning, høy verdiskaping og høye statlige inntekter på Den brede politiske enigheten om de store linjene i petroleumspolitikken har vært avgjørende for å gi næringen de forutsigbare rammene den har bruk for. Dette er et av norsk sokkels virkelig store konkurransefortrinn. Derfor er jeg glad for – og det er det viktig at komiteen har understreket – at denne saken ikke betyr at Stortinget endrer praksis for andre Det må fortsatt være sånn at det er rettighetshaverne som er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten på sokkelen, enten det gjelder leting, utbygging, drift eller ansvaret for å planlegge og gjennomføre feltutbyggingen. Dette arbeidet gjennomføres basert på de rammebetingelsene som er fastsatt av myndighetene. Dette er en god og lønnsom rollefordeling. Investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift for Sverdrup er som sagt planlagt tidlig i 2015. Nå er det viktig at rettighetshaverne får tid til å arbeide videre med Sverdrup-prosjektet, sånn at vi får en best mulig utbyggingsløsning for Sverdrup og de øvrige feltene på Utsirahøyden. Jeg har bare lyst til å kommentere en liten ting som saksordføreren sa. Det var gitt uttrykk for at informasjonen ikke har vært god nok, og jeg har ikke lagt fram noen sak for Stortinget. Hadde vi kunnet gjøre dette arbeidet i forbindelse med behandlingen av planen for utbygging og drift, tror jeg vi alle sammen må være enige om at beslutningsgrunnlaget ville ha vært mer solid. Vi ville i hvert fall hatt mye mer informasjon tilgjengelig, både i departementet og i Stortinget. Så må jeg konstatere at Stortinget tilsynelatende til syvende og Stortinget. Så må jeg konstatere at Stortinget tilsynelatende til syvende og sist har funnet ut at de har nok informasjon tilgjengelig, med tanke på at man gjør det vedtaket man gjør. Det åpnes for replikkordskifte. Vi kan i media lese at olje- og energiministeren er replikkordskifte. Vi kan i media lese at olje- og energiministeren er glad over det komiteen nå samlet er kommet fram til, og det gleder komiteen å kunne glede olje- og energiministeren – la meg understreke det. Men det skapes også et inntrykk av – i hvert fall forsøkes det å skapes et inntrykk av – at dette er noe olje- og energiministeren er veldig for. Det synes jeg er veldig bra. Men det er da jeg lurer på hvorfor han i brev til komiteen allerede den 12. mai, fire dager før opposisjonen fremmet sine holdninger, skriver: «I tråd med klimaforliket vil regjeringen ta endelig stilling til dette, og spørsmålet om kraft fra land til de tre andre utbyggingene på/ved Utsirahøyden, blant annet på bakgrunn av rettighetshavernes analyser og slik at hensynet til tiltakskostnader ivaretas.» ivaretas.» Da er mitt spørsmål: Hvorfor skrev statsråden det hvis han prinsipielt mener at det komiteen nå samlet sett gjør, er riktig? Det var mye glede i det innlegget til representanten Aasland, i hvert fall til å begynne med. Det er jeg glad for. Men jeg har nok en gang lyst til å gi honnør for at man har klart å fjerne den – som var veldig til stede der ute – rundt om prosjektet kom til å bli utsatt. Det setter jeg selvfølgelig veldig pris på. Når det gjelder hvorfor olje- og energiministeren mener at tiltakskostnader skal ivaretas som et hensyn, er det fordi det har Stortinget – bl.a. i behandlingen av klimaforliket – vært veldig klar på: Tiltakskostnadene skal ivaretas. Men som sagt: Dette mener jeg at det var god dialog om i komiteen, også fram mot 16. mai, og jeg vil stå på at det hadde vært mer fornuftig å gjøre denne beslutningen i forbindelse med plan for utbygging og drift, og informasjonstilfanget ville ha vært bedre enn i dag. Som jeg var inne på i mitt innlegg, er glad for at Oljedirektoratet skal gå igjennom og se på når det er raskest mulig å få bygd en områdeløsning.

og med all respekt må vi i departementet få lov å bruke litt tid. Jeg kan forsikre om at vi skal sette ressurser inn på å få dette brevet av gårde så fort som mulig, men jeg må be om respekt for at vi må få litt tid på å finne ut hvordan vi skal skal utforme et slikt brev. Så vil jeg bare legge til at jeg ikke har noen prinsipielle innvendinger her og nå mot at det også i den sammenheng bør kunne brukes ekspertise utenfor OD, i den grad det er nødvendig av faglige årsaker. årsaker. Jeg synes nok, med all respekt, at statsråden – og Høyre også – skal slutte å snakke om at vi burde vi ha ventet til plan for utbygging og drift, og at vi kunne ha tatt akkurat den samme debatten da. En vet jo utmerket godt at hvis en på det tidspunktet hadde sagt at en områdeløsning ikke er aktuell, så hadde Stortingets handlefrihet vært svært liten. Nå er det nesten ett år før plan for utbygging og drift skal behandles, og mitt spørsmål til statsråden er: På hvilken måte vil statsråden sikre

først når det gjelder plan for utbygging og drift for første byggetrinn, og i hvert fall én gang til i forbindelse med plan for utbygging og drift for andre byggetrinn, og man kan jo også legge føringer da for et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med plan for utbygging og drift for første byggetrinn av Sverdrup for prosessen videre – med byggetrinn to. Det hadde vært fullt mulig å gjøre. Så Så ble ikke det gjort, og vedtaket er som det er. Jeg er helt trygg på at rettighetshaverne på Johan Sverdrup, men også på de tre mindre feltene på Utsirahøyden, vil finne både gode samarbeidsløsninger og gode tekniske løsninger for å levere på det som Stortinget i dag vedtar. vedtar. Nei! Jeg mener statsråden tar feil når han sier at det vi vedtar nå, kunne vi gjort når saken kommer til Stortinget neste vår. For det vi nå vedtar, er ikke en føring inn mot fase to; det vi nå vedtar, er at de vilkårene som skal sikre en områdeløsning med kraft fra land, skal inn i vilkårene som skal vedtas neste vår, og da er det jo nettopp denne beslutningen nå som nødvendiggjør det. Statsråden har vært bekymret for oppstart for Johan Sverdrup, men det som flertallet har vært bekymret for, er at det ikke har ligget noen signaler om at man ville sikre kraft fra land for hele området, men bare ville basere seg på om dette var lønnsomt ut fra en tiltakskostnad. Så mitt spørsmål blir da – som en oppfølging av Marit Arnstad: Hvordan vil statsråden nå sikre at vilkårene som sikrer en områdeløsning med kraft fra land for hele området, kommer inn i den PUD-en som skal vedtas av Stortinget nå til våren? For det første tror jeg nok – og det mener jeg vel også børsutviklingen på disse selskapene har vist under denne prosessen – at selskapene følger med på vedtakene i Stortinget. Så jeg tror jo at de selv kommer til å adressere dette med nødvendig styrke. Så er det selvfølgelig slik at myndighetene – først og fremst gjennom Oljedirektoratet – følger disse prosessene tett og er til stede i mange av møtene hos rettighetshaverne i lisensene. Myndighetskravene blir fulgt opp av myndighetene, naturlig nok, og det vil selvfølgelig også være tilfellet i denne saken. Men jeg er helt trygg på at alle de involverte – totalt ti rettighetshavere på og ved Utsirahøyden – kommer til å adresse dette og levere med stor styrke på det Stortinget i dag vedtar. vedtar. Jeg har to spørsmål på kort tid, så jeg stiller det ene veldig enkelt til statsråd Tord Lien: Hvordan vil statsråd Tord Lien i sin kommunikasjon med oljeselskapene klare å unngå at de tror det finnes en mulighet for omkamp på spørsmålet om områdeløsning «innen 2022» og «snarest mulig»? Hvordan vil Tord Lien gjøre det? Det andre spørsmålet er: er: Jeg er helt enig med både Marit Arnstad og Ola Elvestuen som sier at vi ikke kunne gjort dette på et senere tidspunkt, for det er jo nettopp nå vi legger følgende føring: «Komiteen ber regjeringen så raskt som mulig legge fram en faglig vurdering fra Oljedirektoratet om hvor raskt kabelforbindelse mellom feltene Krog, Grieg, Aasen og Sverdrup kan etableres, eventuelt om det er mulig å etablere denne allerede fra produksjonsstart». Det ville vært umulig å stille det kravet om ett år, men det er mulig å stille det kravet nå. Så spørsmålet mitt er i forlengelsen av det som Kjell Ingolf Ropstad sa: Hvor raskt – og hvilken tidsplan ser Tord Lien for seg at han skal ha når det gjelder ODs utredning, og vurdering, av kabelforbindelse? Som jeg sa, er det klart at det er min intensjon å følge opp. Nå vedtar Stortinget dette i dag, og da har jeg respekt for Stortinget – vi har ikke sendt noe brev til OD før vedtaket er

ikke nødvendigvis har en størrelse og en kompetansesammensetning som gjør at dette er ukomplisert. Så hvor lang tid OD må bruke på en jobb som de ikke nødvendigvis har veldig mye erfaring med å gjøre, er det prematurt å svare på nå. Replikkordskiftet er over. Saken om elektrifisering av Utsirahøyden har fått mye oppmerksomhet, fordi mange har vært engasjert i saken, det har vært interessante politiske konstellasjoner, spekulasjoner og diskusjoner om tall og kostnader. Men hva er over. Saken om elektrifisering av Utsirahøyden har fått mye oppmerksomhet, fordi mange har vært engasjert i saken, det har vært interessante politiske konstellasjoner, spekulasjoner og diskusjoner om tall og kostnader. Men hva er det denne saken egentlig handler om? Den handler om arbeidsplasser og industri, ja, det gjør den, men den handler også om at vi på Stortinget skal vise handlekraft i klimapolitikken, at vi skal følge opp klimaforlik og de føringene som tidligere er kommet herfra. Klimaproblemet er den største utfordringen som vi må løse i tiden framover. Det er ingen vei utenom. Vi har siden september i fjor fått presentert flere delrapporter fra FNs klimapanels femte hovedrapport om hvordan stoda faktisk er. Den første delrapporten konkluderte med at menneskelig aktivitet bidrar til å endre klimaet på jorda – altså ferdig snakket om den saken. Den andre rapporten, som er ganske alvorlig i sine konklusjoner, slår fast at klimaendringene allerede er i gang: jorda varmes opp, isen smelter og havnivået stiger. Vi må forvente mer nedbør, flere flommer og mer tørke. Rapporten sier at livet i havet er truet, at vi må regne med et stort tap av naturmangfold, at matproduksjon blir krevende – til havs, men også til lands fordi avlinger med ris, hvete og mais vil gå tapt. Mennesker vil bli drevet på flukt. Ikke noe av dette er spesielt oppløftende med tanke på at vi vet at vi blir stadig flere mennesker på jorda. Klimaproblemet er et globalt problem som krever at det internasjonale samfunnet i fellesskap kommer fram til løsninger. Men vi at det er all grunn til å være bekymret for innholdet i den internasjonale avtalen som skal på plass i Paris før jul neste år, og for hvor forpliktende den blir. Det er derfor av avgjørende betydning at hvert enkelt land gjennomfører nasjonale tiltak for å redusere klimagassutslippene. Norge, som et olje- og gassproduserende land, har et særlig ansvar for å begrense de nasjonale utslippene. Den tredje delrapporten, som kom til påske, hadde som ett av sine hovedbudskap at det kreves store kutt i klimagassutslippene i alle deler av samfunnet, dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Der står vi nå. Vi må fatte kloke valg, og å elektrifisere Utsirahøyden er et slikt klokt valg. En journalist ringte meg for en liten stund siden for å få en kommentar på den såkalte konflikten om å kreve elektrifisering kontra risiko for forsinkelser og konsekvenser for leverandørindustrien og arbeidsplasser. Han spurte retorisk:

Jeg mener at enstemmigheten i komiteen viser at Stortinget er i stand til å strekke seg langt for å få løsninger som er til det beste for framtiden, uavhengig av hvilken tilnærming man har til saken. Vi kan selvfølgelig erte eller anklage hverandre om noen har snudd helt rundt i denne saken, som f.eks. statsråd Lien, og vi kan fort få en runde om fordeling av ære. Men i denne saken mener jeg at det er nok ære til alle: ære for å ha snudd, hvis noen har gjort det, det, ære for å være konstruktiv, ære for å finne løsninger, ære for å være sta, for så vidt, og ære for å ta krevende beslutninger. De som vil, kan føle seg truffet av de ulike beskrivelsene, men det er faktisk et historisk viktig vedtak vi fatter her i dag. Stortinget har gjennom behandlingen av denne saken vist at det er utålmodighet når det gjelder å få på plass en områdeløsning for Utsira, hvor hele kraftbehovet skal dekkes med kraft fra land. Det er det viktig for alle og enhver å merke seg.

etterfølgelse. Først vil jeg få understreke at jeg er svært glad for at det er enstemmig komité som står bak innstillingen. Gjennom gode forhandlinger i komiteen klarte vi å komme frem til en løsning som ivaretar både klimahensynet, nemlig full elektrifisering av hele Utsirahøyden, som Johan Sverdrup-prosjektet er en del av, og hensynet til arbeidsplasser og forutsigbarhet i næringen. Å sikre at norsk produksjon av olje og gass skjer på en mest mulig CO2-effektiv måte er en god investering for fremtiden. Vi vet vi går en fremtid i møte hvor økende bekymring for klimaendringer vil presse frem en strengere klima- og miljøpolitikk. Legger man 2-gradersmålet til grunn, vet vi at det ikke vil være plass til alle de fossile kildene i verdens energimiks. Samtidig vet vi at det vil være et behov for olje og Det betyr at det er den fossile energien med lavest karbonavtrykk, produsert på en mest mulig klimavennlig måte, som vil kunne tas i bruk. Norge er allerede verdensledende på Når vi nå i tillegg sikrer at alle luftutslipp knyttet til produksjonen på Utsirahøyden, blir eliminert, som følge av kraft fra land, vil oljen og gassen herfra blir svært klimaeffektiv i et globalt perspektiv og attraktiv i et fremtidig marked, hvor strengere miljøkrav blir gjeldende. Å investere i full elektrifisering av Utsirahøyden er derfor en god investering i verdien til norsk olje og gass i fremtiden og i vårt felles klimautfordringene. Jeg er glad for at det er en enstemmig komité som understreker viktigheten av at Johan Sverdrup-utbyggingen ikke blir forsinket. Dette var svært viktig for Høyre og regjeringen, og vi har lagt stor vekt på dette i forhandlingene. Helt siden februar i år, da Statoil la frem sitt konseptvalg for Johan Sverdrup-utbyggingen, har regjeringen uttalt at vi vil jobbe for å få på plass en områdeløsning med kraft fra land til Slik sett er det ingen kontrovers for regjeringen i dette vi i dag vedtar i Stortinget. Men vår primære holdning var at dette var noe som skulle gjøres i behandlingen av plan for utbygging og drift – som er planlagt lagt frem i Stortinget neste vår – i tråd med vanlig praksis for store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Når vi likevel velger å ta stilling til dette allerede nå, er det gledelig at det skjer på en måte som ikke setter prosjektet i risiko for å bli utsatt. En utsettelse av Johan Sverdrups første byggetrinn ville fått store konsekvenser for arbeidsplasser langs kysten. For eksempel ville Kværner Verdal risikert å måtte stenge dørene sine hvis kontraktene som vil følge av Johan Sverdrup-utbyggingen, lot vente på seg. Ikke minst ville det vært svært uheldig for alle lærlingene som skal starte sin læretid på verft, som f.eks. Kværner Verdal og Kværner Stord. De siste ti årene har Kværner bidratt til å utdanne over 1 600 fagarbeidere, gjennom å være en av landets største For regionene som Kværner opererer i, er de avgjørende for å få utdannet fagarbeidere innenfor denne sektoren. De norske verftene er viktige rekrutteringsarenaer for fremtidens arbeidskraft i olje- og gassnæringen. Verftene spiller en viktig rolle i å utdanne de svært kompetente arbeidstakerne, som er både dagens og fremtidens bærebjelker i norsk petroleumsindustri. I konkurranse med utlandet kan ikke Norge være billigst, men vi kan absolutt være best. Da trenger vi de norske verftene, og vi trenger lærlingeplassene de tilbyr fremtidens fagarbeidere. men vi kan absolutt være best. Da trenger vi de norske verftene, og vi trenger lærlingeplassene de tilbyr fremtidens fagarbeidere. Mange av talerne her i dag har snakket om behovet for klarhet. De måtte rydde usikkerheten av veien. Det måtte komme signaler om Utsirahøyden. Dette behovet mener jeg først og fremst er oppkonstruert av de partiene som sto sammen den 16. mai. Det vi vedtar i dag, er ikke noe som ikke kunne blitt vedtatt i PUD-behandlingen til våren, med samme konsekvens som nå. Da Statoil sa de allerede da at Stortinget kunne stille et krav om områdeløsning i de senere byggetrinnene ved PUD-behandlingen av fase en for Johan Sverdrup. Det Statoil uttrykte bekymring for, i likhet med det komiteen gjør i merknadene i innstillingen i denne saken, var risikoen for en utsettelse dersom det skulle komme krav om en områdeløsning fra dag én i fase en av prosjektet. Nettopp derfor vedtar vi ikke det i dag. Vi vedtar at vi skal ha en områdeløsning på plass senest innen utgangen av 2022, som er når byggetrinn 2 etter planen settes i gang. Det ville det ikke vært for sent å gjøre i PUD-behandlingen av byggetrinn 1 til våren. Så lenge man ikke vedtar krav fra dag én i fase en, utgjør det ingen forskjell. Men etter snuoperasjonen som 16. mai-partiene gjorde i løpet av komitébehandlingen, da de forsto at enigheten deres med all sannsynlighet ville føre til en utsettelse, forstår jeg at de har et behov for å skape et bilde og fortelle en historie om hvorfor det vi vedtar i dag, er nødvendig. Sannheten er at det er nærmest meningsløst. Sannheten er at forslaget vi er at forslaget vi i dag vedtar, like godt kunne blitt vedtatt når vi behandler PUD-en i Stortinget til våren. Det er ingen motsetning mellom det vi i dag vedtar, og det regjeringen hele tiden har sagt at vi vil få til. Jeg lurer på om noen av de partiene som mener at dette vedtaket er nødvendig, kan peke på konkrete ting i dette vedtaket, som ikke kunne vært gjort til våren i PUD-behandlingen. Min påstand er at det klarer de ikke – utover å gjenta at det er nødvendig. Dette er er nødvendig. Dette er en stor dag for Norge som nasjon. Det er et viktig vedtak vi gjør i dag. Det er viktig ikke bare i dag, men også for overskuelig framtid når det gjelder å sikre store inntekter for vår nasjon. Det er også en veldig god dag ved at det vedtaket Stortinget kommer til å gjøre, sikrer at verken verftsindustrien eller leverandørindustrien vil komme i en situasjon hvor man fort kunne opplevd både permitteringer og oppsigelser av hundrevis og kanskje tusenvis av ansatte. Det er også hevet over enhver tvil at det blåser en vind i landet, landet, for det er ikke bare tidligere statsråd Storberget som ønsker all makt til sitt kontor. Det er tydeligvis mange andre også som ønsker at all makt skal være på deres eget kontor på Stortinget. Ønsket om handlekraft eller makt var på nippet til å bringe verftsindustrien og leverandørindustrien i et uføre som kunne skapt massepermisjoner og oppsigelser. Heldigvis klarte man å ta til vettet, og forslaget som ligger til behandling i dag, tror jeg alle vil, kan og ønsker å gå inn for. Men jeg må også si at her er det et paradoks. Vi vet at Vi vet at representanten Hansson ikke ønsker oljeindustri i Norge. Han ønsker det fjernet fort. SV ønsker nøyaktig det samme. De bruker bare litt lengre tid på det. Begge partiene har store ønsker om å motta penger, samtidig som man ønsker å skru igjen den delen med på å finansiere forskning, utvikling, velstand og en framtid for landet. Så på sett og vis er det slik at de ønsker å slå av lyset, smelle igjen døren, kaste nøkkelen og ta oss med på en ferd tilbake til steinalderen, før bålet ble oppfunnet. Men de ville trengt hjelp der også, for med den politikken de har når det gjelder rovdyr, er det en stor mulighet for at andre måtte ha gått inn og reddet dem der også. Det har vært hevdet – fram og

Det hadde iallfall vært bra hvis det hadde blitt gjort. Jeg synes det er interessant at de partiene som har sånn tillit til oljeselskapene i alle andre saker, ikke har tro på at det faktisk er teknisk mulig å Men det var ikke derfor jeg tok ordet. Grunnen til at jeg tok ordet, det som jeg synes er det interessante i denne saken, og som jeg synes er en utfordring for oss, er at vi altså over et år før PUD skal vedtas i Stortinget, ikke kan gjøre de endringene, ikke kan stille de kravene som et enstemmig storting egentlig hele tiden har vært enig om at vi skal stille, nemlig full elektrifisering. Det er også sånn at det i denne debatten først var kostnadene som var en utfordring. Tiltakskosten var for Nå er det faren for utsettelse som er hovedargumentet mot at vi ikke kan stille tøffere krav. I det henseende vil jeg vise til Klima- og miljødepartementets høringsuttalelse til Statoils konseptvalg, der de skriver:

Program for KU gir ikke dette underlaget, og det har derfor ikke vært mulig for departementet å gjøre en vurdering av ulike mulige alternativer for oppdekning av energibehov, verken tiltakskost eller utslippskonsekvenser.» Jeg synes det er problematisk at det er sånn. Jeg synes det er problematisk at vi ikke kan få tilgang til informasjonen som avgjør om tiltakskosten er det den For oss som har fulgt debatten lenge: Jeg vet at det er et sprik fra Add Energys rapport på 40 kr per tonn CO2, til det verste anslaget i operatørens konseptvalg, som ligger på opp mot 2 300 kr. Det er rimelig klart at ingen av disse to tallene er riktige. Derfor: Skal vi kunne ha en god debatt, er vi avhengige av tiltakskosten. Da er vi avhengige av å vite hvilke faktorer som ligger til grunn. Jeg mener at vi, uavhengig av denne saken, er tjent med en bedre måte å få fram tiltakskosten på, mer åpenhet rundt det, og kanskje mer objektive kriterier, der det er mulig å sette f.eks. en gasspris eller en kraftpris som vi legger til grunn. Jeg savner også at man i tiltakskostanalysene tar innover seg bedre regularitet, besparelser i drift, og – som vi diskuterte i stad – mulighet f.eks. for vindkraft offshore. offshore. Grunnen til at eg tar ordet igjen, er representanten Heikki Eidsvoll Holmås sitt innlegg, der han med brei penn antydar at statsråden lyg og skuldar han for å vere ærendsgut for oljeindustrien. Då blir spørsmålet: Kven er det som la rammene for det arbeidet som departementet har gjort så langt, inntil ein fekk nye signal? Jo, det er nettopp den raud-grøne regjeringa, gjennom deira petroleumsmelding, som fekk brei tilslutning her i salen, og som SV var ein av forslagsstillarane til gjennom si regjeringsdeltaking. Spørsmålet er: Skulle statsråden ta seg til å pålegge elektrifisering av sokkelen uansett tiltakskostnad, når same representant som står bak la til grunn rammevilkår på 450 kr tonnet? Skulle ein altså no, på bakgrunn av signal som har vore ulike frå parti til parti, køyre i gang eit arbeid nærmast uansett kostnad? For kven var det som stemde for desse rammevilkåra? SV stemde for dei, Arbeidarpartiet og Senterpartiet òg. Framstegspartiet stemde også for petroleumsmeldinga, men den la dei rammene som det men den la dei rammene som det har vore jobba etter fram til dags dato. Å kome her då på talarstolen og seie det, etter det forliket som vi no har inngått i komiteen, syntest eg mildt sagt var usmakeleg. Det minner om eit politisk spel som eg trudde ein ville halde seg for god til. Eg kan forstå at ein til slutt klarar å kome fram til ei einigheit, men han som har størst grunn til men han som har størst grunn til å føle seg skuffa utifrå dei signala som samarbeidspartnarane gav, må jo vere representanten Ropstad, som gjekk ut og lét seg intervjue om den største politiske sigeren hittil, og så viste det seg at samarbeidspartnarane ikkje var til å stole på. Det var nok ikkje slik som han håpte og trudde likevel. Det skulle kanskje vært unødvendig å ta ordet for annen gang i en sak hvor komiteen er

Det skulle kanskje vært unødvendig å ta ordet for annen gang i en sak hvor komiteen er veldig enstemmig, og hvor alle er veldig godt fornøyd med det de har fått til, men jeg velger altså å ta ordet likevel, fordi jeg registrerer jo at regjeringspartiene bruser med fjærene, og jeg har en viss forståelse for det. Jeg har også en viss forståelse for representanten Brus vrede over det vi nå gjør. Det er ikke så rart, for de har jo foretatt en betydelig snuoperasjon etter 16. mai. Det er en realitet, og det synes jeg det er greit å konstatere. Det vi, samtlige opposisjonspartier i Stortinget, presenterte den 16. mai, inneholdt veldig klare formuleringer om at oppstarten av Johan Sverdrup ikke skulle forsinkes og ikke utsettes. En var enig om noen andre prinsipper også. De prinsippene er ikke endret gjennom komiteens behandling. Jeg vet ikke hvem som på en eller annen måte kan dokumentere at det er vesentlige endringer, at opposisjonspartiene har snudd, men det skal la seg godt gjøre å dokumentere det. Det eneste som er stadfestet som tydelig, og det er vi veldig glade for, er at områdeløsningen skal være på plass senest i 2022, og den skal være satt i drift før eventuell produksjonsstart Johan Sverdrup fase 2. Ja, det er det som er gjort. Så stilles det spørsmål om hvorfor vi ikke kunne vente til planen for utbygging og drift, PUD, var klar. Det ville vært svært uklokt – svært uklokt – og det kunne til dels vært dramatisk, ikke fordi regjeringen har hatt som målsetting å ha en områdeløsning, men områdeløsningen hadde aldri kommet hadde oversteget 450 kr tonnet, for det er det statsråden svarer til komiteen. Statsråden sier i sitt svar til komiteen at om tiltakskosten hadde vært over 450 kr tonnet, ville han ikke krevd det. Nå er det en prinsipiell tilslutning til det. Det er jeg svært glad for. Men med den usikkerheten, med den usikkerheten, og den tydeligheten om og forvissningen om at det hos statsråden ikke kunne spores et komma av vilje til å innføre områdeløsningen utover det, var det betimelig og riktig at et flertall på Stortinget stilte noen krav den 16. mai. Jeg er også veldig glad for at vi har kommet til en enighet i komiteen, tydeliggjort tidsfrister, og at alle nå er trygge på at en ikke skal få noen utsettelser av oppstarttidspunktet for utbyggingen av Johan Sverdrup. Det er en kjempestyrke. Debatten bærer litt preg av at det er

kjempestyrke. Debatten bærer litt preg av at det er et åpenbart kompromiss vi skal vedta i dag, men vi skal dog vedta det. Det har vært nevnt i debatten at det er få ganger at et representantforslag får den type oppmerksomhet som dette representantforslaget har fått, og det er riktig. Den typen representantforslag får ofte oppmerksomhet og blir ofte gjenstand for behandling når mindretallsregjeringer ikke er tilstrekkelig lydhøre overfor det et flertall i Stortinget ønsker, og det er det som har vært en del av bakgrunnsteppet i denne debatten. Det er riktig at det er sjelden en går inn og stiller krav om konkrete forutsetninger knyttet til spesielle prosjekter. Etter Senterpartiets mening er det heller ikke slik at en skal gjøre det til noen alminnelig regel – det ville ikke være i tråd med det vi vanligvis har gjort i norsk oljepolitikk – men dette prosjektet skiller seg litt ut. Det skiller seg ut i den forstand at det er et lenge varslet prosjekt. Stortinget har gang på gang gitt uttrykk for at en ønsker elektrifisering av Utsirahøyden, og da må en også lyttende til det Stortinget har sagt i så sammenheng. Og så er det også den prinsipielle betydning som prosjektet har, når det gjelder spørsmålet om å få startet elektrifisering av norsk sokkel. Jeg må si at jeg synes at det faktisk like gjerne er regjering og utbyggere som har bidratt til å skape usikkerhet om hvorvidt Stortingets tidligere forutsetninger ville blitt innfridd for det er ikke noen tvil om at Stortinget har hatt dette som en forutsetning tidligere. Så må jeg si, når representanten Tina Bru spør hva som ville ha endret seg til PUD-en: Jeg synes saksordføreren ga et veldig godt eksempel på hva som ville endre seg når det gjelder områdeløsning. Om en kom tilbake og sa at dette var en områdeløsning som har en ville Høyre da, ved behandlingen av plan for utbygging og drift, våget å gjøre noe annet enn det som utbyggerne og lisensen hadde sagt? Om Statoil kom tilbake og sa at dette kan ikke gjennomføres før 2025, ville da Høyre og Fremskrittspartiet våget å sette det årstallet som i dag settes i Stortinget? Vi gir en klar arbeidsordre til regjeringen gjennom det som dag. Egentlig oppfyller vi en rammebetingelse som jeg mener at et flertall på Stortinget gang på gang har gitt uttrykk for, men gang på gang har det blitt skapt usikkerhet om det Stortinget har villet. Det var en representant fra et av selskapene som sa i avisa under debatten tidligere i vår at hvis Stortinget vil ha oss til dette, får det pålegge oss det. Ja, det er nettopp det Stortinget gjør i dag. Representanten Terje Aasland hadde en refleksjon over hvem som har foretatt en snuoperasjon, og det er dag. Representanten Terje Aasland hadde en refleksjon over hvem som har foretatt en snuoperasjon, og det er verdt å merke seg at i hvert fall fagbevegelsen mener at Arbeiderpartiet har snudd. Det er vi glad for at Arbeiderpartiet har gjort. La meg så få lov til å snakke litt om noe som både representanten Arnstad og representanten Elvestuen har tatt opp, nemlig at det var helt nødvendig å fatte denne beslutningen nå, og ikke vente til plan for utbygging og drift blir behandlet våren 2015. Da er det verdt å minne om at utbyggingen av byggetrinn 1 på Johan Sverdrup med det vi vedtar i dag, vil gå uforstyrret og som planlagt. Det er hensikten med det vi vedtar i dag, nettopp å sikre at det ikke blir forsinkelser i byggetrinn 1 – og selvfølgelig å få på plass en og selvfølgelig å få på plass en områdeelektrifisering etter at byggetrinn 1 er satt i produksjon. Det er plan for utbygging og drift av byggetrinn 1 som skal behandles våren 2015. Det er uproblematisk. Det ligger føringer for hva som skal skje etter produksjonsstart av byggetrinn 1 – det er det som vi nå er i ferd med å vedta. Det må være slik, nettopp fordi komiteen er helt tydelig på at områdeelektrifisering ikke skal forsinke byggetrinn 1 – dermed må det komme etterpå. Så er SVs representant Heikki Eidsvoll Holmås svært opptatt av at regjeringen ikke har gjort nok for å sende signaler til oljeselskapene om at en områdeløsning er ønsket. Det er verdt å minne ham om at den forrige regjeringen kunne fattet en prinsippbeslutning om områdeelektrifisering av Utsirahøyden. Det gjorde den ikke. I stedet vedtok man petroleumsmeldingen, som ga de overordnete føringer for petroleumspolitikken. SV stemte for den – og for øvrig alle andre utbygginger på norsk sokkel de siste åtte årene. I klimaforliket ble man enig om at det var et mål å få til en Regjeringspartiene kunne sagt at man bare skulle gjøre det. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås satt i en regjering med flertall til å si at man bare skulle gjøre det. Når man likevel valgte ikke å gjøre det, oppfattet jeg at det var fordi den rød-grønne regjeringen også var opptatt av å ha et beslutningsgrunnlag før man tok stilling til elektrifisering eller ikke. Dermed hadde vi hatt et bedre beslutningsgrunnlag hvis vi hadde tatt stilling til dette i forbindelse med behandlingen av plan for utbygging og drift av Johan

fornøyd med den jobben som er gjort i forkant av vedtakene, og mener det var helt nødvendig med den enigheten, og også å vise den fram den 16. mai – for det er der det store skiftet er. Før den 16. mai var dette en diskusjon hvor man hadde et ønske om en områdeløsning, men det var hele tiden avhengig av om det kunne svare seg innenfor tiltakskostnaden, dvs. prisen på CO2-avgiften og kvotepris. Jeg tror det lå temmelig åpent, og det var tydelig kommunisert, at dersom en ikke

plass en kraft fra land-løsning for hele området. Så er det de andre delene som ligger der, nemlig utredningen fra Oljedirektoratet, som det er nødvendig å gjøre nå, hvis en skal ha noen som helst slags mulighet til å få en utredning tidsnok til at vi kan forholde oss til den når vi skal behandle PUD-en til neste vår. Dette er en god dag og med at vi ikke bare får et kompromiss, vi får et tydelig vedtak: En skal ha gjennomføring så tidlig som mulig, men senest i 2022. Og det er en god dag i og med at vi nå endelig får slått fast at det blir en områdeløsning på

hadde regjeringspartiene aldri uttalt at en områdeløsning skulle på plass fra dag én. Det gjør vi heller ikke i dag, men vi som ønsket en områdeløsning fra dag én, var helt nødt til å fremme forslag om det tidlig, og ikke vente til neste år. Det tredje er at regjeringspartiene aldri har uttalt at hele kraftbehovet i hele Johan Sverdrups levetid skal dekkes av kraft fra land. I dag vedtar vi at det skal stilles krav om at kraft fra land skal være gjeldende for hele Johan Sverdrup-feltet. Jeg vil si at det er bekymringsfullt at regjeringspartiene ikke sier det vi vedtar i dag, nemlig at vi snarest mulig skal få på plass en områdeløsning, og senest i 2022 – for det er det vi vedtar i dag. Det er det regjeringspartiene er med på. Og det er det vi er avhengig av kommuniseres til oljeindustrien – for å unngå en omkamp. Jeg gjentar mitt spørsmål til statsråd Tord Lien som han ikke svarte på i replikkrunden: Hva kommer statsråd Tord Lien til å kommunisere til oljeselskapene for at de skal jobbe for å få på plass en områdeløsning snarest mulig og senest i 2022, og at det ikke er aktuelt med

Komiteen legger til grunn at denne tidsangivelsen danner grunnlaget for fastsettelse av vilkår som skal behandles i stortingsproposisjonen, og som etter planen skal behandles våren 2015.» Hele hensikten med dette avsnittet er nettopp å se på om det er mulig å endre byggetrinn 1 på en måte som gjør at vi kan få kabelforbindelse mellom de ulike plattformene helt fra start. Vi som er tro mot klimaforliket, forstår at det er nødvendig for å oppfylle det som er Miljødirektoratets klare ambisjon, å hindre en økning i utslippene av CO2 og heller få dem ned. Det hadde vært en glede for meg om Nikolai Astrup var innforstått med at det er dette vi skriver i innstillingen, og som vi vedtar i dag. Jeg finner nok en gang grunn til å minne om at dette er

jeg sikkert gjort – men sitatet er hentet fra Ola Borten Moe, i et svar avgitt skriftlig til Stortinget 18. november 2011, mens Ola Borten Moe var statsråd i Olje- og energidepartementet. Så det er ikke noe triks jeg har funnet opp. Det er derimot noe den rød-grønne regjeringen styrte landet etter i åtte år, og som et betydelig flertall i Stortinget ved flere anledninger i løpet av de åtte årene

men ikke minst hos alle de tusenvis av folkene som skal konkurrere om å få gjøre disse jobbene. Det er de som har vært mest bekymret. Hele grunnlaget for den norske olje- og gassindustrien er fagarbeiderne våre, fagfolkene våre, på alle nivåer. De har vært bekymret for utsettelse. Jeg noterer meg at den bekymringen har forsvunnet i perioden mellom 16. mai og dagen i dag. Det er jeg svært glad for.

PUD-behandlingen. Hvis Arbeiderpartiet og de andre partiene var så trygge på at det de var enige om den 16. mai, ikke utgjorde fare for utsettelse, hvorfor i det hele tatt bruke tid på å forhandle frem en annen presisering av hva forslaget innebar, med regjeringspartiene? Hvis målet var å vise at makten ligger i Stortinget, og hvis målet var å instruere regjeringen, kunne de bare ha stått på sitt. Slik ble det ikke. Man innså at man trengte en presisering, ikke minst for å rydde av banen den usikkerheten som oppsto for en stor leverandørindustri i Norge. Representanten Arnstad forsøker å svare på mitt spørsmål i sitt siste innlegg. Det nærmeste hun kommer et svar, er et spørsmål tilbake om regjeringen ville ha akseptert en tiltakskostnad på over 450 kr. Vi i regjeringspartiene har aldri sagt at vi ikke kunne det, men sannheten er at vi

Astrup har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er interessant å høre representanten Eidsvoll Holmås snakke om å være tro mot klimaforliket, når vi vet at den manglende innsatsen til den rød-grønne regjeringen er grunnen til at vi ligger så langt på etterskudd som Miljødirektoratet nå har avdekket at vi gjør. Den nye regjeringen gjør så godt den kan for å gjøre noe så godt den kan for å gjøre noe med saken. Så til punktet «snarest mulig». Vi vedtar i dag at områdeelektrifisering skal på plass snarest mulig. Alle skjønner at hvis vi ikke skal forsinke byggetrinn 1 på Johan Sverdrup-feltet, og det må bygges en ny installasjon for å områdeelektrifisere, må den komme i forbindelse med byggetrinn 2. Og det må altså skje innen Vi skal utrede om det er mulig å gjøre dette raskere. Det håper jeg selvfølgelig at det er, men jeg tror vi må være realistiske med hensyn til hva som er mulig å få til i denne saken. Neste taler er representanten Terje Aasland, som er ordfører for saken, og som derfor har en taletid på inntil 3 minutter. Aasland, som er ordfører for saken, og som derfor har en taletid på inntil 3 minutter. Bare en kort refleksjon helt på slutten av debatten: Jeg tror det er helt avgjørende og viktig at Stortinget samlet avklarer på det nåværende tidspunkt det vi avklarer i denne saken – før PUD-behandlingen. Vi kunne henvist til videre byggetrinn osv., men – med hånden på hjertet – de som har vært igjennom PUD-behandlinger før,

ender med en samstemt komité og et samlet storting. Det viktigste er tross alt det som er skrevet i innstillingen, og de vedtakene vi gjør. Jeg vil påstå at olje- og energiministeren ikke ett sted i innstillingen overhodet kan være i tvil om hva han skal gjøre. Det står knalltydelig hva Stortingets ambisjoner og vilkår er. Det er jeg glad for. Så kan vi fortsette diskusjonen om hvem som har snudd, og hvem som ikke har snudd det er litt uinteressant i denne salen akkurat nå. Jeg vil bare replisere til representanten Astrup. Når han uttrykker at fagbevegelsen mener at Arbeiderpartiet har snudd, er det Leif Sande i Industri Energi som mener det. Jeg understreker: Jeg har ikke én gang under denne behandlingen snakket med forbundsleder Sande, så hans uttrykk er nok sugd fra eget bryst, uten å ha vært innom hjertet.

Da har selskapene virkelig lagt konseptet, de har lagt det fram for departementet, og regjeringen har lagt det fram for Stortinget. Man er allerede nesten i ferd med å inngå kontrakter, og vi vet at det er svært lite Stortinget kan gjøre for å forandre det. Det betyr at gitt at en da har kommet med anbefalinger som ikke er i tråd med det Stortinget i dag sier vi ønsker, har vi hatt veldig få muligheter til å forandre det. Nå gir Stortinget gjennom denne avgjørelsen også lisensene for ett år for å komme fram til løsninger som er i tråd med de forutsetningene som ligger fra Stortingets side. Prosjektering er heller ikke innenfor oljeindustrien noen statisk prosess. Det er en dynamisk prosess, og jeg har stor tro på at lisensene vil ha mulighet til å innfri de forventningene som Stortinget i dag enstemmig setter. Representanten Ola Elvestuen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Eidsvoll Holmås.
Elvestuen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Først vil jeg minne om at ordlyden i vedtaket vi nå fatter, er helt likt med det som ble framlagt den 16. mai, det var det som skapte dynamikken. Jeg er også glad for at regjeringen er kommet inn, og at regjeringspartiene er blitt enige om de vedtakene. Vi får endringer basert på disse vedtakene allerede nå.

fra Stortinget. Selv i denne debatten kan man fra regjeringspartiene skape usikkerhet om man egentlig hadde ønsket å vente og latt det fortsatt være et regnestykke om tiltakskost og ikke et vedtak i seg selv som gjør det helt klart at her blir det kraft fra land. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. minutt. Jeg vil fortsatt understreke at det Stortinget i dag vedtar, er at vi snarest mulig skal ha på plass en områdeløsning som dekker hele områdets kraftbehov. Jeg understreker det fordi Nikolai Astrup igjen tar ordet og uttaler seg som en tekniker som oppfatter at den beste løsningen er at man skyver på en områdeløsning til 2022 i forbindelse med det han kaller fase 2. Jeg vil be om å følge opp det vedtaket, ikke på den måten Nikolai Astrup sier, men ved å gå til Oljedirektoratet og spørre om hvordan vi får fulgt opp en områdeelektrifisering som dekker hele områdets kraftbehov snarest mulig uten at det forsinker det første byggetrinnet. Da kan det godt hende at olje- og energiministeren får et annet svar på hvordan man kan følge opp Stortingets vedtak. Det andre er kraftforbindelsen mellom de forskjellige installasjonene, som også handler om raskest mulig å få den på plass. Hvis vi ikke hadde gjort det vedtaket vi gjør her i dag, hadde den bestillingen aldri gått til OD, og det arbeidet ville aldri blitt utført. Siste inntegnede taler er representanten Oskar J. Grimstad. Grimstad har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til minutt. Eg må seie eg blir litt forundra over det som kjem fram i dag i debatten når det gjeld påverknaden ein har gjennom PUD-en, planen for utvikling og drift. Ein gir nærast eit inntrykk av at når dette dokumentet kjem til Stortinget, er det meir som informasjon til Stortinget, og den informasjonen som Stortinget får, vedtar ein. Det er mildt sagt er mildt sagt ein presentasjon som ikkje stemmer. Dei store rammene gir ein i petroleumsmeldinga, slik den raud-grøne regjeringa gjorde, slik SV var med og understreka at rammevilkåra skulle vere, og så gir ein signal om dei enkeltvise tiltaka som skal gjerast på enkeltutbyggingar, gjennom PUD-ane. Då å seie at ein nærast ikkje har moglegheit til påverknad, verkar rett og slett kunnskapslaust. Eg trudde ikkje det PUD-ane. Då å seie at ein nærast ikkje har moglegheit til påverknad, verkar rett og slett kunnskapslaust. Eg trudde ikkje det var mogleg å kome med ein sånn påstand frå talarstolen i dag i ei sak som har vore kontroversiell, men som til slutt fekk eit forlik. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra energi- og Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sak nr. 11 flyttes til etter sak nr. 7, og at sakene nr. 7 og 11 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 7 og 11. Stortinget foreslår i denne proposisjonen ein ny lov om fiskeretten i Tanavassdraget, den såkalla Tanaloven. Den nye loven vil avløyse og

11. Stortinget foreslår i denne proposisjonen ein ny lov om fiskeretten i Tanavassdraget, den såkalla Tanaloven. Den nye loven vil avløyse og i stor grad vidareføre lov av 23. juni 1888 om Retten til Fiskeri i Tanavasdraget, den såkalla Tanaloven av 1888. Stortingets føresetnad om at Tanaloven vidareførast som særlov, blir følgt, jamfør Innst. 88 L for 2012–2013 om forvalting av grunn og naturressursar i om forvalting av grunn og naturressursar i Finnmark fylke. Forslag til ny Tanalov er sendt på høyring, og hovudinntrykket frå høyringa er at det er gjennomgåande brei tilslutning til lovforslaget. På grunnlag av høyringsuttalene har departementet føretatt mindre justeringar i enkelte av dei føreslåtte avgjerdene. Høyringa førte også til at Sametingets forslag til lovforslagets § 3 om forholdet til folkeretten blei synleggjort i høyringa. Departementet viser til at lovforslaget ikkje vil få økonomiske eller administrative konsekvensar av betyding, og det er derfor ein samla komité som står bak innstillinga i denne saken. Så kort til ein særmerknad i innstillinga frå Framstegspartiet, som er av den oppfatning at Tanaloven er ein rettslov og skal vere basert på lokalt sjølvstyre. Ein har spesielt merka seg innspela i høyringsprosessen om at rettane til fiske er definert i loven, uavhengig av etnisitet. Usikkerheita i forståinga av dei føreslåtte tilleggsformuleringane i lovens § 3, som gjer loven gjeldande med unntak av avgrensingar som ligg i ILO-konvensjonen nr. 169, blir frykta å kunne skape usikkerheit knytt til forvaltingsregimet i Tanavassdraget og praktiseringa av Framstegspartiet peiker på dette, men vel likevel å gå for innstillinga slik den ligg føre i dag. Eg vil med dette anbefale innstillinga i saken. I den store sammenhengen er

Da ble det enstemmig vedtatt av Stortinget at ILO-konvensjonen ikke skulle ha noen påvirkning med tanke på Tanaloven. Jeg vet ikke om det var sammensetningen av Stortinget den gang, eller om det var at det var et valgår som hadde stor betydning, men i hvert fall var det veldig klart at representanten fra Arbeiderpartiet, Bendiks H. Arnesen, hadde en veldig god forståelse av situasjonen i både Troms og Finnmark. Han forsto faktisk at å få dette inn i loven, ville ikke redusere konfliktene. Tvert imot, det ville øke konfliktnivået i Finnmark. Og vi har mer enn nok av konflikter når det mer enn nok av konflikter når det gjelder dette fra før. Det er slik at bønder i Tana ikke har eiendomsrett på lik linje med andre bønder i Norge. Man eier ikke jord etter elvedalene i Finnmark, man leier jord av staten. staten. Det medfører at man ikke kan ha fordeler ved å leie ut fiskerettigheter. Det kunne skapt grunnlag for næringsliv, turisme osv. Dette har man ingen muligheter for, fordi det er forbudt ved lov å leie videre noe du selv leier. Derfor er denne loven svært viktig for dem som bor i Tanadalen. Helt til slutt: slutt: Mange tror at man minsker konfliktnivåer med å gi noen flere rettigheter enn andre. Jeg vil påstå at i Finnmark har man faktisk veldig ofte opplevd det motsatte – man skaper flere konflikter. Jeg står selv i samemanntallet, men jeg vil aldri komme dit at jeg forlanger særbehandling av det øvrige samfunn med bakgrunn i min etnisitet. Jeg forlanger faktisk å kunne bli behandlet som den personen og det mennesket jeg er – ikke basert på særrettigheter. Jeg følte behov for å si noe, slik at det

Jeg vil gjerne bare understreke, siden vi kom inn på diskusjonen om ILO-konvensjonen nr. 169 om rett til land og vann, at det arbeidet som er gjort i Norge når det gjelder oppfølging av denne ILO-konvensjonen, med de betydelige utredninger som er gjort om hvordan man løser spørsmål knyttet opp mot bruksrettigheter, eiendomsrettigheter og på andre måter, er bra. Vi må sikre at rettferdighet for urfolk ikke bare er noe vi snakker om at andre land skal sørge for, men at vi også skal gjøre det samme i Norge. Tross alt er det sånn at strukturelle forskjeller og fordeling av makt gjør at forskjellige individer har like muligheter rettferdige forutsetningene som det er rimelig å forvente. Disse utredningene som ble gjort – det er noen mursteiner av noen utredninger – er gode juridiske betenkninger som brukes internasjonalt. Derfor har samene i Norge en helt spesiell «standing» internasjonalt, fordi det er gjort en ordentlig jobb. jobb. Med dette vil jeg si at jeg synes det er bra at vi får dette vedtaket i dag. Jeg synes det er ett skritt til på veien som vi er i ferd med å gå, for å sikre oppfølging av ILO-konvensjonen nr. 169 og for å sikre gode og balanserte løsninger for hele Norge. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen

får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Jeg vil kort holde et innlegg der jeg sier at jeg synes det er bra at klima- og miljøministeren har lagt fram det forslaget hun har gjort. Fra komiteen har vi vært innstilt på en rask behandling, fordi dette handler i virkeligheten om å sørge for en praktisering og håndheving av naturmangfoldloven som er effektiv, og som gjør at loven blir mer effektiv i å ta vare på det norske naturmangfoldet. Det støtter komiteen helhjertet opp om. om. Så vil jeg på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre ta opp de forslagene som er beskrevet i innstillingen. Vi har fremmet forslagene fordi vi syntes det var riktig å følge opp klima- og miljøministerens intensjoner om å sørge for å forby utsetting av organismer som ikke naturlig finnes på stedet med å si at vi skal senke terskelen for risikovurderingen, ikke bare forby det man vet kan føre til skade for andre planter og naturmangfoldet på området, men faktisk at vi senker terskelen så lavt som til å terskelen så lavt som til å sørge for «å unngå risiko for vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold». Det er fordi jeg mener at det er mest i tråd med føre-var-prinsippet. Derfor fremmet vi det forslaget. Jeg vil for øvrig rose klima- og miljøministeren for et veldig åpent og positivt brev, som i hvert fall jeg oppfattet som en klar støtte til at et sånt forslag var fullt mulig å sette fram, og kanskje var det til og med ønskelig. forslaget får vi ikke flertall for. Vi har en diskusjon som knytter seg til norske treslag, der vi sier veldig tydelig at vi ønsker at regelverket strammes inn. Vi mener at vi kun skal sikre en åpenhet for norske treslag som naturlig finnes på stedet. Det handler rett og slett om at trær som finnes ett sted og kan høre hjemme i naturmangfoldet hører hjemme over hele landet, men tvert imot kan utgjøre en trussel i andre deler av landet. Derfor har vi ment det var riktig å fremme et forslag som ivaretar dette, og dermed gi miljømyndighetene en sterkere mulighet til å sette foten ned hvis skogsindustrien ønsker å gjøre ting som vil være i strid med naturmangfoldet. Jeg oppfattet også der at klima- og miljøministeren sendte et positivt svar til oss. Derfor har vi har vi funnet det klokt å opprettholde forslaget, men jeg ser dessverre at regjeringspartiene stemmer det ned. Alt i alt vil jeg si at det er kloke og gode endringer som er foreslått av klima- og miljøministeren, og vi følger dem helhjertet opp, og de blir vedtatt i dag. Så er det et siste element, og det er at en del av begrunnelsen for å gjennomføre forslaget er at det skal føre til forenkling. En del høringsinstanser har uttalt seg kritisk til om de forslagene som her er fremmet, overhodet kommer til å føre til en forenkling. Det kan likevel være gode forslag – det kan likevel være riktig selv om det ikke fører til forenkling. Men fra komiteens side har vi ønsket å be om en gjennomgang av dette når regelverket har fungert noen år, for å se om det faktisk bidrar til den forenklingen som klima- og miljøministeren har tatt til orde for, og som vi stemmer for her i dag.

det innlegget som Heikki Eidsvoll Holmås nettopp holdt, og også begrunnelsene til forslagsstillerne. De forslagene vi har, er en styrking av føre-var-prinsippet. Grunnen til at jeg tar ordet, er for å understreke betydningen av å få til en endring når det gjelder utsetting av trær. Er det én ting som jeg må si irriterte meg ved den forrige regjeringen, var det at de gjorde det lettere å plante trær så sant det ikke var utenlandske, som ikke gir noen meningsfull begrensning mange steder i Norge. Det er klart at med den skogplantingen som foregår mange steder, og som det er en stor vilje til å styrke mange steder, er det helt avgjørende at vi ikke går inn i en ny skogreisningstid med granplanting rundt i norske fjorder og kystlandskap som mange jobber tungt for å få til. med granplanting rundt i norske fjorder og kystlandskap som mange jobber tungt for å få til. Så jeg synes det er veldig synd at vi ikke har fått et flertall for å få inn denne begrensningen, for å få inn en klargjøring av at skal det plantes, må det være stedegne trær. Dersom omfanget utvides, er dette en av de virkelig store truslene mot det biologiske mangfoldet mange steder, i tillegg til den endring det gir for hele kulturlandskapet og hele landskapsfølelsen mange steder. Så dette er viktig. Og selv om vi ikke får flertall nå, er nå, er det definitivt noe i hvert fall ikke Venstre vil slutte å jobbe med. Dette er en av de store miljøsakene i Norge nå.

som eksplisitt kan forby utsetting av fremmede organismer, og en hjemmel som kan forby omsetning av bestemte organismer. Det kan være en styrking, så grovt sett ønsker vi dette velkommen. Så vil jeg bare utdype litt av det som representantene Holmås og Elvestuen sa.

Det er en type spredning som for lengst har kommet totalt ut av kontroll, og som fortrenger mange små, men stedegne, norske planter og plantesamfunn. Poenget vi i Miljøpartiet De Grønne er litt opptatt av, er et forslag i § 29 som innebærer en veldig generell betegnelse på grupper av organismer. Dette vil fortsatt gjøre det lett for hageeiere å importere planter som vil ha en potensiell spredningsevne i norsk natur, og som ikke nødvendigvis står på forbudslister fordi planter som ikke er etablert i norsk natur, ikke står på forbudslister. Så vi vil se fram til at regjeringen – denne og neste – følger opp forpliktelsen til å vurdere lovendringenes effekt om fem år med særlig sikte på en strammere føre-var-praktisering også når det gjelder utsetting av hageplanter. Hvis representanter ønsker å stemme over sitt eget forslag, må det tas opp. Takk, jeg tar opp forslaget fra Miljøpartiet De Grønne. Da har representanten tatt opp det forslaget han selv refererte til. Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, men kapitlet om fremmede organismer har ennå ikke trådt i kraft. Det er nå på høy tid å få på plass regelverket. Derfor fremmer regjeringen nå forslag til enkelte endringer i naturmangfoldloven. naturmangfoldloven. Formålet med forslaget er å forenkle praktiseringen av loven, samtidig som lovens formål ikke svekkes. Hovedhensikten er å få på plass et regelverk som kan beskytte norsk natur mot fremmede skadelige arter – en av de største truslene mot naturmangfoldet. Signalkreps, vasspest og kjempebjørnekjeks er eksempler på arter som har klart å etablere seg i Norge, og gir betydelige negative effekter på naturmangfoldet. I EU regnes fremmede skadelige arter som den nest største trusselen mot biologisk mangfold, og de årlige kostnadene for samfunnet er beregnet til minst 12 mrd. euro. EU har nå foreslått et regelverk om fremmede arter, så det forteller litt om at de tar dette på alvor. Jeg er glad for at komiteens flertall i sin innstilling støtter regjeringens forslag til lovendringer. Jeg har også merket meg at komiteens flertall ber regjeringen sørge for at de tilhørende forskriftene vedtas innen 1. januar 2015. Jeg vil gjøre mitt beste for

tillatelse. Jeg vil da bare be statsråden bekrefte eller avkrefte at det ikke vil bli innført søknadsplikt for planting av buskfuru, svensk asal og syrin i parkanlegg. Jeg vil bekrefte at det ikke vil bli forbud mot det i private hager. Så må jeg komme tilbake til det som gjelder parkanlegg.

hvilke andre grep enn en slik type forbud som vi ville ha, vil regjeringen og klima- og miljøministeren gjøre for å redusere faren og truslene for at gransorter og andre tresorter som ikke hører hjemme på stedet, utfordrer og truer det biologiske mangfoldet? Etter loven i dag er det

Hvis hun anerkjenner, som hun gjør, at utplanting av norsk gran – som ikke krever tillatelse – kan være et problem for det biologiske mangfoldet en del steder, hva har hun da tenkt å gjøre for å hindre at dette utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet der? Det er riktig at når vi ikke endrer loven, har vi ikke loven med oss til å si at man ikke kan sette ut bestemte treslag. Det ut bestemte treslag. Det bestemte Stortinget da de vedtok naturmangfoldloven i 2009, og da forholder vi oss til det som nå er vedtatt der. Vi må passe på at det ikke skjer, men vi kan ikke bruke loven til det. Det er igjen ikke et svar på det jeg spør om. Jeg skjønner at vi ikke

lov for dette, er det viktig å bruke Miljødirektoratet og fylkesmennene og informere om de treslagene det er fornuftig å plante ut. Der har det kanskje vært mest oppmerksomhet når det gjelder sitkagranen, og det blir ikke noen endring i loven som vedtas nå med tanke på den. Dette blir i forlengelsen av Eidsvoll Holmås’ spørsmål om det er

ministeren vil se på? Det er nettopp da viktig at der en bruker positive virkemidler, at man bruker dem på de treslagene som ikke er til skade for norsk natur. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra energi- og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

å nå klimamålene for 2020, 2030 og fram mot 2050, og hvordan budsjettet påvirker Norges klimautslipp. Det er en samlet komité som mener at det er behov for å iverksette nye tiltak og virkemidler for å få ned de nasjonale klimagassutslippene, og at det er behov for å få en bedre oversikt over effekten politikken som føres, har på utslippene, og hva vi kan forvente av utslipp som følge av de vedtak som faktisk fattes. Under behandlingen av saken i komiteen har vi fått brev fra statsråd Sundtoft, hvor hun skriver at alle departementer i dag rapporterer om klimagasskonsekvenser av sine større satsingsforslag der det er relevant. Flertallet i komiteen mener at det ikke er tilstrekkelig og fremmer derfor forslag om å ha et klimabudsjett likt det som lå i representantforslaget fra SV. Under behandlingen av denne saken har temaet klimalov kommet opp. Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti skriver i sine respektive merknader at de går inn for en sånn lov. Arbeiderpartiet ønsker ikke å gå inn i den tematikken i behandlingen av dette representantforslaget. Så har Høyre,

er nå flertall i komiteen for å få et klimabudsjett, og det er jeg veldig glad for. Jeg håper og tror at det kan bli et nyttig virkemiddel for å følge, men også for å få ned, klimagassutslippene. Dette er også helt i tråd med de forventningene som FNs klimapanel stiller i den siste delrapporten som kom til påske, hvor de sier at det er behov for å gå gjennom alle sektorer som bidrar til klimagassutslipp og iverksette tiltak.

veldig nyttig. La meg først få lov til å takke forslagsstillerne for å reise et interessant tema. Det er riktig, som forslagsstillerne også presiserer, at vi ligger på etterskudd med å nå klimamålene som ble satt i klimaforliket. Det må først og fremst den forrige regjeringen svare for, men jeg er glad for at den sittende regjeringen har sagt at de skal forsterke klimaforliket og dermed bidra til at vi kommer i mål, selv om dette kommer til å bli krevende med det utgangspunktet vi overtok. Den forrige regjeringen la som kjent frem to klimameldinger. Det førte til to klimaforlik i Stortinget for å bidra til at tiltakene ble forsterket. Likevel vet vi at det ikke var nok, og at vi må videre. Så har regjeringen i tråd med det siste klimaforliket sagt at den skal utrede hensiktsmessigheten av en klimalov. I den forbindelse vil også klimabudsjett bli utredet. Vi mener det er hensiktsmessig å avvente denne utredningen før vi konkluderer med om et klimabudsjett er et godt tiltak i denne sammenheng. sammenheng. Mens vi avventer den, mener vi også at det arbeidet som Miljødirektoratet gjorde i mars 2014 på bestilling fra Klima- og miljødepartementet, var en oversiktlig og god rapport. Regjeringspartiene har sammen med Venstre derfor fremmet et forslag om at vi «ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med fremtidige klimamål, og i forbindelse med vurdering av hensiktsmessigheten av en klimalov,

godt og solid faglig grunnlag for de beslutninger og tiltak vi iverksetter. Det tror jeg vi alle er tjent med. Jeg tar med dette opp forslaget som ble referert. Representanten Nikolai Astrup har tatt opp det forslaget han refererte til. For å nå måla i klimaforliket er

Det har gått åtte–ni månader sidan vi fekk ei ny regjering, og ei rekkje slike tiltak som vi ser kjem på bordet som representantforslag, blir fremma. Det er litt underleg at dei same representantane som sat som medlemer i den førre regjeringa, no får det fullstendig ukontrollert – nærmast – travelt med å fremme forslag. Og så veit vi at det etter eit initiativ frå den sitjande regjeringa, der Miljødirektoratet no synleggjer at vi har – er det – eit etterslep på 8 millionar tonn, er ein grunn til å setje i gang tiltak. Dette burde den førre regjeringa, med medlemer frå spesielt Sosialistisk Venstreparti, sett den gongen. Eller fungerer dei best i opposisjon?

Storbritannia fikk sin lov i 2008. I 2012 fulgte Mexico etter, og Finland, Danmark og Kina jobber også med lovforslag. Nå er det på tide at Norge gjør det samme. Den siste tida har vi gjennom to rapporter til gangs fått understreket den alvorlige situasjonen på kloden vår. Miljødirektoratet har vist at vi ikke har noen mulighet til å nå klimaforlikets mål om å redusere klimagassutslipp med 30 pst. sammenlignet med 1990, om vi ikke innfører drastiske tiltak på en rekke områder. Vi kan ikke lenger diskutere om vi skal elektrifisere nye felt med kraft fra land, om vi skal øke satsinga kraftig på kollektivtransport, eller om vi skal øke overgangen til mer drivstoffgjerrige biler

Risikoen kan reduseres dersom vi greier å få ned utslippene. Vi mener det haster å få på plass en treffsikker og god klimalov. Derfor må det snarest mulig nedsettes et bredt sammensatt lovutvalg for å sikre et godt verktøy. Et slikt lovutvalg må også få som mandat å se på klimapolitiske «huller» i andre deler av lovverket, slik at vi får et samstemt lovverk for å nå Vi mener det er helt grunnleggende at nasjonale klimamål bygger på fakta fra klimavitenskapen. Det er bred politisk enighet i Norge om mange av tiltakene for å nå 2-gradersmålet. Men mange av de viktigste tiltakene som trengs, kan fort bli prioritert bort i konkurranse med mer kortsiktige tiltak. En klimalov med En klimalov med karbonbudsjetter etter britisk modell vil sikre en mer langsiktig klimapolitikk. Den vil flytte diskusjonen fra om til hvordan, fordi man fastsetter rammene, men overlater til politikerne å bestemme tiltakene som skal få ned utslippene tilstrekkelig. En klimalov vil forplikte enhver regjering til å følge opp klimamålene og gi et verktøy for systematisk rapportering av hvilke tiltak som iverksettes. Vi mangler i dag et overordnet verktøy som sørger for langsiktige utslippsreduksjoner i alle sektorer. En klimalov vil gjøre de overordnede utslippsmålene juridisk bindende. Stortinget må derfor sørge for at all samfunnsplanlegging går i samme retning, om vi skal unngå de mest dramatiske utslagene av klima. Vi er utålmodige. Vi ønsker ikke å avvente en klimalov, men påpeker at det haster å få på plass en klimalov. Derfor støtter vi forslaget om innføring av klimabudsjett, som et første element i en helhetlig klimalov. Som saksordføreren sa, er

det. Spørsmålet er da om det er tilstrekkelig at hvert departement rapporterer om klimagasskonsekvensene av sine tiltak, av større tiltak, når det er relevant, når det passer i budsjettsammenheng, eller om en nå burde ha systematisert det på en annen måte gjennom et klimabudsjett. Vi i Senterpartiet mener, i likhet med flertallet, at dagens praksis med fordel kunne vært utvidet til et klimabudsjett, fordi Stortinget også har bruk for en mer løpende oppdatering og en bedre oversikt over utviklingen når det gjelder konsekvenser for klimapolitikken av de ulike sektorenes arbeid. Et klimabudsjett kan være et tiltak for å oppnå det. Det kan også rett og slett være et tiltak som hadde gitt oss bedre grunnlag for gode klimadebatter i denne salen. Vi i Senterpartiet ønsker også en og mener at det ville gitt oss mulighet til en langsiktighet og helhet som klimapolitikken i dag til dels mangler – det å kunne se ting i forhold til hverandre, det ikke å prioritere kortsiktige ting på bekostning av viktigere, mer langsiktige ting, det å kunne se de ulike områdene i forhold til hverandre, det å få verktøy i klimapolitikken som kan fungere på en bedre måte enn det vi ser i dag. Vi ser både budsjett og klimalov som

utrede hensiktsmessigheten av en klimalov, og når de er ferdig med det, skal de vurdere spørsmålet om et lovutvalg, og så skal de vurdere behandlingen i regjering. Det er, etter Senterpartiets mening, først og fremst et forsøk på å utsette saken – rett og slett. Jeg kan i alle fall vanskelig se hva

at vi etter hvert skal kunne klare å komme dit at en begynner å forberede den typen klimalov, og i det minste at Venstre etter hvert vil besinne seg og bidra til å sette litt fart på den typen arbeid. Jeg kan berolige representanten Arnstad med at vi i Venstre er

Det jeg vil vite, er effekten av det endelige budsjettet, som til slutt vedtas i desember. Det er viktig. Det fikk vi nå med Miljødirektoratets rapport, som jeg mener er grundig og god. Den påpeker hva som må gjøres, og den kommer også med forslag om hvordan man kan få gjennom tiltak – for det vi trenger, er jo ikke flere analyser. Derfor er jeg glad for at vi nå har en enighet, og et flertall, med regjeringen om at vi får en oppdatering av Miljødirektoratets rapport hvert år, som et grunnlag for det budsjettarbeidet som Stortinget skal gjøre. Det er viljen i tiltak som kommer til å være avgjørende for om vi oppnår målene, og som vil være avgjørende også for hvor langt vi kommer, når vi nå skal nå klimamålene fram mot 2020. Så er det en helt annen sak å få på plass en klimalov. En klimalov er et omfattende arbeid, men det er kanskje det viktigste redskapet vi har for å sørge for at klimapolitikken blir grundig og gjennomført over tid, også ved skiftende flertall i Stortinget. Derfor er klimaloven avgjørende i neste omgang. Fra Venstres side er vi fornøyd med at dette nå handler om å få til tiltak i budsjett, få til tiltak i budsjett, og om å få fram effekten av de tiltakene – det får vi via Miljødirektoratet – og så er det et systematisk arbeid for å få på plass en klimalov, som kan sikre at Stortinget og landet tar sitt ansvar, ikke bare i de nærmeste årene, men i tiår på tiår fram i

og at vi skal forsterke klimaforliket, som regjeringspartiene sier, men vi ser det ikke i den praktiske politikken og i vedtakene som fattes. Jeg vil stille spørsmålet til Tine Sundtoft – og det har jeg tenkt å gjøre i replikkvekslingen, hun må bare forberede seg på det. I 2013 gikk utslippene opp. Kommer utslippene av CO2 til å gå opp eller ned til neste år, altså med andre ord i 2014 – i løpet av det året vi er inne i nå?

klimaforliket når Venstre nå ikke vil være med på å støtte dette forslaget, som ville fått flertall, for da ville regjeringen i årets budsjett, altså i budsjettframlegget som kommer i oktober, vært nødt til å legge fram en plan for hvordan de har tenkt å nå målene. Jeg stiller altså spørsmålet til Tine Sundtoft: Hva slags påvirkning, hvilken effekt, har det budsjettet som er vedtatt for året

Det er første gang vi har fått klimafornektere i en regjering som styrer landets klimapolitikk. Fremskrittspartiet sitter altså i postene som samferdselsminister og som olje- og energiminister, som er de to største utslippsdepartementene. Jeg har prøvd å stille følgende enkle spørsmål til Tord Lien skriftlig: Ser Tord Lien på det som sitt konstitusjonelle ansvar å arbeide for å redusere CO2-utslippene innenfor oljesektoren?

ned. Da kommer vi ikke i mål. Næringsministeren mottok Forenklingsutvalgets innstilling og uttalte at forenklingen kunne komme til å innebære at man oppga miljøkrav i offentlige innkjøp stikk i strid med det representanten Nikolai Astrup har uttalt når han har snakket om betydningen av offentlige innkjøp – å stille miljøkrav og klimakrav for å redusere klimautslippene. CO2-strategien, som vi var lovet i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, er skjøvet på Det betyr at vi ytterligere skyver på hva som skal gjøres når det gjelder karbonfangst og -lagring. Vi behandlet Utsira tidligere i dag. Vi har tall som viser at veitrafikken øker inn til f.eks. Stavanger-området, uten at samferdselsministeren er ute og sier noe som helst om hvilke grep han har tenkt å gjøre fra regjeringens side for å gjøre noe med dette. Vi trenger et klimabudsjett for å vite om vi overhodet er i nærheten av å komme i mål med det klimaforliket og de vedtakene som Stortinget har fattet. Det flertallet i denne salen kommer til å gå inn for i dag, er nok et utredningsarbeid, ventetid, hensiktsmessighetsvurderinger og skyving ut i tid av ting. Jeg hadde ikke forventet annet av regjeringspartiene, men jeg hadde forventet annet av Venstre. En av de mindre interessante sidene ved å være valgt inn på Stortinget er

og et av de tegnene vi ser på det, er det utmerkede forslaget fra representantene Eidsvoll Holmås og Serigstad Valen i SV, om et klimabudsjett. Representanten Eidsvoll Holmås har selvfølgelig rett i at dette er en helt nødvendig øvelse for å få en viss oversikt over hvordan effekten av norsk klimapolitikk faktisk utfolder seg, så ikke det kommer som julekvelden på kjerringa når man tilfeldigvis spør Miljødirektoratet om en rapport. Hvorvidt representanten Eidsvoll Holmås får svar på sine spørsmål til statsråd Sundtoft om hvordan utslippsutviklingen kommer til å bli på sektor ditt og sektor datt, ser jeg fram til med interesse. Jeg har stilt det spørsmålet et par–tre ganger til statsråden allerede, uten å få svar. Forslaget om et klimabudsjett er meget konstruktivt, helt nødvendig, og som representantene fra både Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har påpekt, helt nødvendige elementer i og et veldig konstruktivt grunnlag for det som må bli en norsk klimalov. Så er vi selvfølgelig alle enige om at det ikke må bli en utsettelse, men tvert imot en ansporing til en klimalov. Derfor var de signalene som vi fikk referert til her, om at regjeringen kanskje ville se på dette i sammenheng i sin vurdering av klimalov, i hvert fall et positivt signal. Så vil jeg samtidig presisere at et klimabudsjett – i motsetning til hva vi får inntrykk av i brevet fra statsråd Sundtoft – ikke dekker viktige elementer i den britiske klimaloven. Et klimabudsjett bygger bare opp under det. Forslaget om et klimabudsjett vil vise hvordan regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet kan ventes å påvirke klimabudsjettene, men dette er ikke nødvendigvis det samme som den regelmessige rapporteringen til parlamentet om status for utslippskutt som en klimalov – i hvert fall etter britisk modell – vil gi, og som vil tvinge fram en helt annen seriøsitet i oppfølgingen av klimatiltak. Et klimabudsjett slik det er foreslått, innebærer heller ikke at klimamålene blir juridisk bindende. Man vil fortsatt befinne seg på det nivået som Stortinget har befunnet seg på i flere perioder, nemlig at man har en intensjon om å gjennomføre noe, så ser man hvordan det går, og som oftest – i hvert fall hittil – har ikke det gått all verdens bra, gitt utslippsutviklingen i Norge. Det som er veldig vesentlig med en klimalov, og som et klimabudsjett i hvert fall vil kunne bidra til, er å komme seg over på sektorvise mål for utslippskutt. Så lenge Norge ikke har målsettinger for hver sektor som er forpliktende for de ansvarlige for den sektoren, vil vi ikke få en effektiv klimapolitikk innenfor noen sektorer – eller nasjonalt. Her vil et klimabudsjett i hvert fall være med på å synliggjøre hvordan situasjonen er. Så vil jeg til slutt si at jeg er forskrekket over Venstre, som lar denne muligheten til et konkret framskritt gå fra seg, et framskritt som ville tvunget regjeringen til å rapportere på en måte som den hittil uttrykkelig har unndratt seg i debatt etter debatt etter debatt her i Stortinget. Dette ville gjort en forskjell, og jeg håper at Venstre ved neste mulighet – og det kommer flere muligheter – vil komme over på en mer offensiv linje i denne saken. Jeg er saken. Jeg er glad for at representanter fra den forrige regjeringen nå er opptatt av at det ikke bare skal settes mål, men at vi også skal passe på at de nås. Denne regjeringen er opptatt av å kutte klimagassutslippene, og vi er opptatt av at vi vet hvordan vi ligger an. I år har det kommet flere viktige rapporter som danner et alvorlig bakteppe i klimapolitikken. Vi fikk to delrapporter fra FNs klimapanels femte hovedrapport ved påsketider. De tegner et tydelig bilde av utfordringene. En annen sentral rapport er den såkalte gap-rapporten som jeg bestilte fra Miljødirektoratet. Den viste at det er viktig å gjøre opp status på denne måten for å vite hvordan vi ligger an. Jeg har nå bestilt en ny rapport som skal vise veien fram til lavutslippssamfunnet mot 2030 og 2050. 2020 er bare en mellomstasjon. Vi skal bli et lavutslippssamfunn mot 2050. Jeg er derfor helt enig med forslagsstillerne i at det er viktig å ha blikket festet på lang sikt, samtidig som vi sørger for

gjelder å oppfylle klimamålene våre på kort, mellomlang og lang sikt. Norge rapporterer årlig til FNs klimasekretariat om hvordan vi overholder våre forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen. Hvert fjerde år leverer vi en hovedrapport, hvert andre år leverer vi en oppdateringsrapport, og hvert år leverer vi klimagassregnskap. Vi omtaler også klimagassregnskap og utslippsutvikling i budsjettproposisjonen. I tillegg gis det en oversikt over effekten på klimagassutslipp av regjeringens store satsinger. Hvert andre år publiseres det utslippsframskrivninger, og i nasjonalbudsjettet for 2015 vil nye framskrivninger bli presentert. presentert. Dette er en viktig del av hvordan Norge følger opp sine forpliktelser, og det er også viktig for oss og det globale klimaet at andre land gjør dette. Det er nødvendig med god rapportering om utslippsutvikling, om iverksatte og planlagte klimatiltak, samt kunnskap om effekten av ulike tiltak og virkemidler. Regjeringen arbeider nå med flere større prosesser som henger tett sammen med det forslaget som her er til behandling. For det første arbeider vi med å vurdere en klimalov. For det andre arbeider vi med en ny utslippsforpliktelse for Norge for perioden etter 2020. Denne forpliktelsen vil være i form av et klimagassbudsjett, og skal legges fram første Et klimabudsjett vil være en del av hvordan Norge skal følge opp sine utslippsmåI, men det må ses i sammenheng med hvilke utslippsmål vi skal ha etter 2020, og hvilke øvrige systemer vi skal ha for å etterleve målene våre. Å vedta et nytt system for klimabudsjett uten å se disse prosessene i sammenheng er derfor ikke fornuftig. Vi er nå midt inne i et omfattende arbeid med flere puslespillbiter som er avhengige av hverandre, og som må henge sammen. Jeg er opptatt av at vi ikke gjør ting stykkevis og delt. Jeg mener at en i forbindelse med arbeidet med klimalov og en ny norsk forpliktelse også bør vurdere nærmere hvordan kontroll og overvåking av måloppnåelse i klimapolitikken kan gjennomføres, og om vi trenger nye grep.

dessverre også Venstre, er imot. Statsråden har ved flere anledninger sagt – og gjentar – at hun mener hun ikke kom til dekket bord. I løpet av forrige periode da høyresiden satt ved makten, økte klimagassutslippene. I den perioden vi rød-grønne hadde makten, gikk de ned. Jeg innrømmer glatt at de burde ha gått mer ned, men i løpet av denne korte perioden som høyresiden nå har sittet, har de i hvert fall ikke gått videre nedover. Da er spørsmålet mitt helt enkelt: Vil statsråden si det er mest sannsynlig at utslippene kommer til å gå opp også i det året vi befinner oss i, eller vil hun si det er mest sannsynlig – med den politikken som regjeringen har lagt fram i sitt budsjett – at de går ned? Vi har sagt at vi skal forsterke klimaforliket, og vi er i gang med å forsterke klimaforliket. Vi har satset mer på jernbane, vi har satset mer på kollektivtransport, og vi har bevilget 100 mill. kr til forskning om karbonfangst og -lagring. Vi har nå kommet med forslag om å øke klimateknologifondet, vi jobber med Grønn skattekommisjon, vi gjør konkrete ting nå som vil gi reduserte utslipp over tid. Vi vet at Miljødirektoratets rapport inneholder framskrivninger der det tas høyde for vedtatt politikk. Fra 2012 til 2013 økte utslippene med 0,1 tonn, altså med 0,2 pst. Det er noenlunde stabilt fra 2012 til 2013. De tingene vi har lagt fram nå, forventes å gi reduserte utslipp.

Vil statsråden se på det som mest sannsynlig at utslippene – som følge av regjeringens politikk – går ned i det året vi er inne i, eller vil hun se på det som mest sannsynlig at utslippene går opp? Eller har hun ikke peiling, og i så fall – er det egentlig i seg selv grunn nok til å si at det hadde vært behov for et klimabudsjett, slik vi har foreslått? Nå vet representanten Holmås godt at det var denne regjeringen som ba om gap-rapporten fra Miljødirektoratet for å få en status for å vite hvordan vi lå an da vi overtok ansvaret. Det var ikke noe den forrige regjeringen var veldig opptatt av å få fram. Når vi sier at vi forsterker klimaforliket, og at vi jobber mot lavutslippssamfunnet i 2050, så forventer vi at utslippene går ned. Om de går ned akkurat i 2014, kan jeg ikke gi noe eksakt svar på nå, men vi kommer til å følge det opp med jevnlige rapporteringer fra Miljødirektoratet, og vi har lagt opp en politikk som skal få utslippene ned. 2020 er et viktig mål, men det viktigste målet er lavutslippssamfunnet i 2050. Det har vi kommunisert fra dag én, da vi

vegringen mot konkrete, forpliktende tall for hvor mye som skal slippes ut. Vi har heller ikke fått noen tall fra statsråden for hvor mye som skal slippes ut noe sted til noen tid. Kan statsråden for det første forklare hva det er regjeringen vil gjøre som gjør et klimabudsjett unødvendig, og for det andre hva regjeringen vil gjøre som vil gi konkrete utslippskutt, med tall i en eller annen interessant framtid? Vi har sagt at vårt viktigste mål er å endre samfunnet i retning av et lavutslippssamfunn. For å vite hvordan situasjonen var da vi overtok fikk vi gap-rapporten fra Miljødirektoratet, som sier at vi mangler 8 millioner tonn. Vi vet også veldig godt hvilke sektorer som slipper ut Vi vet at vi må redusere på transport. Derfor satser vi mer på kollektivtransport, mer på jernbane. Vi vet at vi må redusere utslipp i bygg. Derfor jobber vi med tiltak for å få fram enøkinvesteringer i bygg og få faset ut oljefyring i bygg.

Er det forslaget til budsjett som de rød-grønne la fram i fjor høst? Er det forslaget til endring, som den nye regjeringen la fram, eller er det det endelige budsjettet som ble vedtatt, der de faktiske miljøtiltakene ble innført? For det trenger vi å finne ut av, hvor store reduksjoner fikk vi av å øke mineraloljeavgiften med over 50 øre? Det trenger vi å finne ut av, men det hadde ikke du funnet ut av da dette ble lagt på høsten. Det finner du ut i etterkant for å se effekten, og det trenger vi. Så å få en oppdatering av Miljødirektoratets rapporter er helt nødvendig for å ha et grunnlag for å lage budsjetter. Det er det en trenger, gode grunnlag for å lage budsjetter, en må vite hvilke tiltak en må gjennomføre for å nå de nødvendige målene. Det som foreslås her, setter i gang et enormt arbeid med utredninger og framskrivninger på et budsjett som til slutt ikke kommer til å bli vedtatt i den formen det legges fram. Da er det mye bedre å få en systematisk tilbakemelding om effekt. Miljødirektoratets framlegging – og all ære til regjeringen som ba om den – er et godt arbeidsgrunnlag for å vite hva man trenger å gjøre. Så er det neste store steget å få en klimalov, og en klimalov er noe helt annet enn det som foreslås her. En klimalov handler om å lage juridiske rammer som sikrer at en ved skiftende flertall oppnår utslippsreduksjonene i lang tid framover, og at en får en trygghet for å få dette fram.

gjennomføres. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås sier at det er viktig med klimabudsjetter nå som det sitter «klimafornektere» i regjeringen. Vel, la meg minne om at det er regjeringen som kollegium som har sagt at klimaforliket skal forsterkes, og det er altså et forlik som den daværende opposisjonen måtte dra den rød-grønne regjeringen etter håret for å få den med på. Det var altså maks av hva den forrige regjeringen var villig til å være med på, og det skal nå forsterkes. Det er helt nødvendig, men det sier jo noe om forskjellen på liv og lære hos representanten Holmås. Hvis det er slik at utslippene i 2013 gikk opp, slik representanten Heikki Eidsvoll Holmås er inne på, er det nettopp hans regjering som må ta ansvar for det punktet. La meg også minne om at det var den nåværende regjeringen som nettopp bestilte Miljødirektoratets rapport, der den rød-grønne klimaarven ble avslørt. Det var altså ikke den forrige regjeringen som var interessert i hvordan vi lå an, men den nye regjeringen som var interessert i hvordan vi lå an. Jeg tror at uavhengig av hvordan konklusjonen blir i vurderingen av

Det ene er offentlige innkjøp. Jeg hadde vel forventet at en regjering fra Fremskrittspartiet og Høyre hadde skjønt markedsmekanismene, nemlig at du som stor innkjøper kan gjøre store påvirkninger. Til min overraskelse ser jeg at regjeringen nå har tenkt å fjerne miljøkrav i reglementet for offentlige innkjøp. Det vil ikke fremme klimatiltak

Hva har regjeringen gjort i tilknytning til kommuneøkonomien når det gjelder dette, slik at kommunene kan være med og ta det klimaansvaret de har? Svaret fra kommunalministeren er: ikke en krone. Ikke en krone er lagt inn på hele kommunesektoren. Kommunene og fylkeskommunene har mange ting de trenger å gjøre. Som klima- og miljøministeren nettopp sa i sitt innlegg nå, er det f.eks. behov for å fase ut oljefyring. Innstillingen til kommuneproposisjonen har vi nettopp avgitt, og i den har SV foreslått at vi skal etablere en låneordning for å fase ut fossil oljefyring i kommunale og fylkeskommunale bygg. Er det noe støtte til det? Nei, i hvert fall ikke fra regjeringen. Vi har også foreslått at man må ha en finansieringsordning for lokale klimatiltak som kan støtte kommuner og fylkeskommuner i å gjennomføre prosesser for klimavennlig omstilling. Det er helt nødvendig å få dette til. Men regjeringen svarer nei. Sektor etter sektor leverer ikke, og når vi spør klimaministeren hva hun vil gjøre, peker hun tilbake på de ulike sektorene, som ikke har gjort noen ting. Nå var nettopp representanten Astrup oppe her og sa at vi må legge de konkrete tingene på bordet og se hva det er. Ja, dette er i hvert fall tre forslag. Det er offentlige innkjøp – å bruke innkjøpsmakta til å få fram klima- og miljøvennlige løsninger – det er å innføre en ordning for å fase ut fossil oljefyring, og det er å støtte kommunene i deres viktige rolle for å redusere klimautslippene. Det er noe som kalles å styre etter kjølvannsstripa. Det er en veldig god betegnelse på den klimapolitikken som har vært ført i Norge de siste åtte årene, og som fortsatt føres. føres. Den går ut på at man har noen store mål og påstår at man vil nå de målene, og til sin forskrekkelse finner ut at man ikke når dem. Denne regjeringen har et interessant referansegrunnlag i at den forholder seg mye til næringsliv, mye til næringslivstenkning. Hva er det som karakteriserer den måten man arbeider på i store og små oppgaver og prosjekter i næringslivet? Jo, det er at man setter opp mål, man setter opp delmål, man rapporterer, og man justerer for å komme seg dit man skal, enten det er Statoil, Statkraft eller en hvilken som helst liten firemannsbedrift. Hva er det vi får av den nåværende regjeringen? Jo, vi får en nokså hyppig gjentatt besvergelse som lyder: Klimaforliket skal forsterkes. Hva i all verden betyr det? Hvor mange tonn er det? Det er det som spiller en rolle. Vi skal få effektive tiltak i samferdsel. Vi får mer satsing på kollektiv, ja. Men vi får også flere veier. Hva skal bli nettoresultatet i form av klimagassutslipp av det? Det satses på fornybar energiproduksjon i Norge. Det satses også voldsomt på videreført oljevirksomhet. Hva skal bli netto utslippsresultatet av det? Det vi vil fortsette å etterspørre fra statsråden og fra regjeringen, er: Kan vi få og vil vi få konkrete målsettinger på sektornivå som regjeringen må forholde seg til år etter år om de leverer på eller ikke, slik at vi kan oppsummere målsettingene og se om det er noen som helst sannsynlighet for at Norge vil nå sine overordnede forpliktelser i forhold til klimaforliket og Kyoto 2? Representanten Holmås sier han blir «seriøst lei av» kritikken av at de ikke gjorde noen ting da de satt i Representanten Holmås sier han blir «seriøst lei av» kritikken av at de ikke gjorde noen ting da de satt i regjering, på hele åtte år. Jeg begynner å bli seriøst lei av å høre SV snakke om Fremskrittspartiet som «klimafornektere». Det kan godt hende representanten ikke liker at hans egen regjering er årsaken til at vi ligger 8 millioner tonn bak målet. Men det er et faktum. Det kan godt hende representanten ikke liker at regjeringen han var en del av, førte en heldigvis – aktiv petroleumspolitikk med rekord i antall utvinningstillatelser. Men det er et faktum. Det irriterer nok representanten at denne regjeringen har sagt at vi skal forsterke klimaforliket og føre en mer offensiv klimapolitikk enn det hans egen regjering gjorde. Men det er et faktum. At representanten er utålmodig etter en ny, offensiv klimapolitikk, er forståelig. Det må ha vært frustrerende å sitte i en regjering i åtte år som man tydeligvis var så uenig med. Men jeg kan berolige representanten Holmås med at selv om regjeringen er opptatt av gode prosesser for å nå våre klimamål, betyr ikke det at det blir med prosessene og utredninger. En regjering med «klimafornektere», som SV kaller Fremskrittspartiet, gjennomfører flere tiltak. Vi gjennomfører en storstilt satsing på jernbane, det kutter utslipp. Vi bruker 76 mill. kr mer enn den rød-grønne regjeringen på gang- og sykkelveier, det kutter utslipp. Vi satser mer på klimateknologi, det vil kutte utslipp. Nå arbeider regjeringen med en utforming av skattefradrag for enøkinvesteringer, det også vil kutte utslipp. Vi skal fase ut oljekjeler i Statsbyggs eiendommer innen 2016, det vil kutte utslipp. Og vi er i gang med et grønt skatteskifte, det vil kutte utslipp. Jeg kunne fortsatt, men poenget er at mens SV nå står utenfor regjering og lanserer klimatiltak etter klimatiltak de ikke fikk på plass selv, sitter Høyre og Fremskrittspartiet i regjering og gjør jobben mens vi kan. kan. Vi skal selvfølgelig ikke, som representanten Holmås sier, kastrere tidligere regjeringsparti fra å lansere en ny politikk i opposisjon, men det hjelper med litt troverdighet for å bli tatt alvorlig. Akkurat det mangler SV her. Jeg må si at jeg er litt forundret over retningen denne debatten har tatt, både at det er så høy temperatur, og

Jeg trodde at alle vi som sitter i denne salen, var opptatt av å få resultater, av å få ned klimagassutslippene. Jeg trodde vi var enige om det. Etter den debatten vi har nå, blir jeg usikker på om vi faktisk er enige om det, fordi det flyr så mange beskyldninger gjennom rommet. En del av oss mener at et klimabudsjett er et riktig virkemiddel. Jeg tror på det. Så merker jeg meg at det er andre som mener at man må ha langt flere vurderinger før man kan begynne å gå inn i sånne prosesser. Ok, greit nok, det er ikke flertall for det jeg vil – greit nok. Men jeg driver ikke med beskyldninger overfor andre av den grunn. Det er en vilje og en utålmodighet i denne salen som jeg trodde var positiv, men igjen blir jeg usikker på hvor det bærer av gårde. Klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor, og hvis ikke vi i denne salen er i stand til å ha mer konstruktive debatter enn den vi har nå, blir Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å få på plass en internasjonal klimaavtale. Jeg blir ikke mindre bekymret etter den runden vi har her i salen nå, for det er åpenbart ikke en vilje i Stortinget til å komme fram til enighet og til å være konstruktiv overfor hverandre. Jeg håper vi kan skjerpe oss litt i framtiden. Klimafornektarane har kome i regjering, seier SV, og det er

å få tatt initiativ igjen i klima- og miljødebatten, spesielt etter at Miljøpartiet Dei Grøne og Rasmus Hansson tok sete her på Stortinget. Men i motsetning til klimahysterikarane i SV, då dei sat i regjering, har vi sagt at ja, vi skal forsterke klimaforliket. I det ligg det eit løfte som vi har tenkt å halde. Klimautfordringane og FNs klimarapport var så det er ikkje noko nytt som har kome, anna enn at vi bestilte frå Miljødirektoratet eit oppsett på kvar vi er i forhold til målet. Det opplevde vi ikkje med den førre regjeringa, det opplevde vi ikkje at SV etterspurde då dei sat i posisjon. Vi har ein statsråd her frå Miljøverndepartementet – eller Klima- og miljødepartementet, som det heiter i dag – som peikte på ei rekkje nye tiltak. tiltak. Denne regjeringa har sete i åtte månader, mens den førre sat i åtte år. Vi skal altså levere meir på åtte månader enn den førre regjeringa, den raud-grøne regjeringa, klarte på åtte år. Det er å be om for mykje. Eg føler meg sikker på ein ting, og det er at Framstegspartiet sine statsrådar vil levere, slik som representanten Bru var inne på på veg, på petroleumssektoren, i landbruk og ikkje minst på justissektoren. Jeg er den første til å berømme – og det har jeg gjort ved flere anledninger også – klima- og miljøministeren for å gjøre den jobben med å bestille en rapport som sier hvor vi ligger, og hva Miljødirektoratet foreslår at vi må gjøre. Det har jeg gjort ved flere anledninger, og jeg gjentar gjerne den rosen. Men vi må ikke late som om det er den eneste gangen vi har fått en oppskriftsliste på bordet i Stortinget der vi har fått oss forespeilet hva slags mulige grep det er vi kan ta. Det er da jeg mener at det er helt nødvendig at vi tar et grep. For vi kan ikke ha det sånn at klimaministeren må stå på Stortingets talerstol og si: Jeg kan ikke svare eksakt på hva klimagassutslippene blir neste år, jeg kan ikke engang svare på om det er mest sannsynlig at klimagassutslippene går opp eller går ned. Det er altså sånn at klimagassutslippene må gå ned

Vi vet at hvis Høyre og Fremskrittspartiet hadde fått det som de ville, ville vi hatt oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nå på toppen – og da nikker Oskar Grimstad fra stortingssalen – som hadde ført til økte utslipp i forhold til det vi ser i nord. Det er derfor jeg sier at når Stortinget møtes for å ta de store beslutningene,

en diskusjon som er den viktigste vi står overfor fordi innholdet av karbondioksid i atmosfæren øker så faretruende raskt at det kommer til å påvirke alt liv på jorda. Og når vi snakker om dette temaet, er det altså i dag bedre vitenskapelig dokumentert at klimaendringene er menneskeskapt enn at sigarettrøyking er helsefarlig. Og hva er da problemet når det gjelder CO2? Jo, det er CO2 som kommer fra svart karbon, det er rett og slett eksos. Jeg synes da at Stortinget i diskusjonene framover burde være mer presis på at den CO2-en som kommer fra fornybart karbon, altså grønt karbon, ikke er problemet. Det er tvert imot en del av løsninga å bruke fornybart grønt karbon. Problemet Det er tvert imot en del av løsninga å bruke fornybart grønt karbon. Problemet er det enormt store forbruket av svart karbon, altså fossilt karbon. En må skille mellom fossilt karbon og fornybart karbon. Det som er det største problemet, er at i dag er lønnsomheten for næringsliv og privatpersoner ved å bruke fossilt karbon svært høy, og lønnsomheten ved å produsere, foredle og bruke fornybart karbon svært lav. Og når vi lever med kapitalisme, får vi ikke gjort noe med dette uten at dette markedet blir korrigert, etter Senterpartiets vurdering ved at man legger CO2-avgifter på det fossile karbonet, og at man bruker noen av de CO2-avgiftene til økonomisk å stimulere det fornybare karbonet. karbonet. Det må være et tankekors for flere enn Senterpartiet at i en tid hvor en aldri har snakket mer om klima, har aldri lønnsomheten med å drive med det grønne fornybare karbonet vært dårligere enn i dag. Dette går helt feil vei om vi ikke endrer de grunnleggende økonomiske sammenhengene. Jeg vil utfordre statsråden til å svare på om hun er enig i det som statsminister Solberg sa for flere år siden, at det er god høyrepolitikk å korrigere markedskreftene. Da sa nåværende statsminister at det var korrekt det representanten Lundteigen da sa, at en skulle bruke CO2-avgiftene på det fossile karbonet til økonomisk å stimulere det fornybare karbonet. Er nåværende miljøminister enig i den
saken. Neste taler er
er for så vidt også litt forundret over den voldsomme temperaturen i denne debatten – noe av den samme temperaturen jeg har følt nesten i åtte måneder. Vi har sagt at vi skal forsterke klimaforliket, og jeg trodde i min naivitet at når noen har inngått et forlik, har man lagt striden litt bort og er enig om at man skal gjøre ting sammen. Jeg tror det er viktig at vi sammen. Jeg tror det er viktig at vi også står sammen om det som er den viktigste jobben vår, nemlig å nå et lavutslippssamfunn fram mot 2050. Det krever en enorm omstilling av oss som enkeltpersoner, av næringslivet og av det offentlige. For å få fram den forståelsen tror jeg vi hadde vært mer tjent med noe mindre temperatur og kanskje å være noe mer konstruktive. Til Karin Andersen: EU kommer nå med nye direktiver på Til Karin Andersen: EU kommer nå med nye direktiver på anskaffelsesområdet som blir gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen, og de utgjør et godt grunnlag også for å revidere innkjøpspolitikken. Og jeg er helt enig: Det offentlige handler inn for 400 mrd. kr hvert år, og hva vi gjør der, er veldig viktig. Så det kommer vi til å følge opp. Så er jeg helt enig med representanten Lundteigen, og det sier jo FNs klimapanel veldig tydelig: Skog er en del av løsningen både fordi det binder karbon, og fordi vi må mer over på det grønne karbonet. Så har vi nå bestilt en ny rapport fra Miljødirektoratet som også skal være konstruktiv i veien videre mot lavutslippssamfunnet 2030. Og underveis utvikler vi konkret politikk for å få dette til. Vi rapporterer ganske mye allerede om hva vi gjør. Til FN rapporterer vi hvert fjerde år. Vi har også en hovedrapport, senest levert 10. mars i år, om vår klimapolitikk på internasjonale forpliktelser, på nasjonale virkemidler og på aktiviteter vi deltar i. Vi har SSB som også kommer med årlige utslippsregnskap. Klimagassregnskap og utviklingen i utslipp omtales årlig i Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon, og Finansdepartementet publiserer framskrivning av utslipp til luft hvert annet år. Så det er ikke slik at vi ikke rapporterer noe i det hele tatt. Jeg tenker at hvis vi skal få til den omstillingen vi er helt avhengig av, burde vi kanskje være mer opptatt av hvilke virkemidler vi mangler for å få til den omstillingen. Og til Heikki Eidsvoll Holmås: Det er jo ikke veiene som forurenser nå, det er bilene som kjører på veiene, og her legger vi opp til en avgiftspolitikk som belønner biler som slipper ut minst mulig. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Sak nr. 11 er behandlet tidligere, og Stortinget går over til sak nr. 12. Jeg er

De siste årene har bevilgningene til jernbanen økt kraftig. Det har et samlet storting vært med på, selv om jeg må innrømme at vi i Venstre har ønsket at det skal gå enda fortere. Og vi skulle tro at en stor vekst i bevilgningene også ville ført til en stor vekst for jernbaneentreprenørene. Det gjorde det, i alle fall i begynnelsen. I takt med at bevilgningene har økt, har flere utenlandske entreprenører etablert seg på det norske markedet. I takt med at bevilgningene har økt, har norske ingeniører og entreprenører startet egne jernbaneselskap. De har brukt sin kompetanse og blitt gründere. Det er også bra. Men denne takten har stoppet opp. Samtidig som bevilgningene har økt kraftig, har de samme jernbaneentreprenørene måttet nedbemanne eller begjære konkurs. Dette viser at det er noe muffens med jernbanepolitikken. med jernbanepolitikken. Ved budsjettbehandlingen i høst økte Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet jernbanebudsjettet med nesten 1 mrd. kr. Nesten alt gikk til vedlikehold – selvsagt. Vi vet jo at forsinkelser i stor grad skyldes feil på signalanlegg, materiell og spor. Et bedre vedlikeholdt jernbanenett gir bedre forutsigbarhet for alle som tar toget. Det gir bedre forutsigbarhet for småbarnsmoren som skal fra jobb i Sandvika og hente barn i barnehagen i Tønsberg. Det gir bedre forutsigbarhet for gruvedriften i Kiruna, som skal skipe ut malm fra Narvik. Derfor har også mange gründere satset på vedlikehold og investert i maskiner for å vedlikeholde det norske jernbanenettet. Disse maskinene kommer jeg tilbake til. I tillegg til det det jeg har nevnt, er det de neste årene bevilget store summer til store investeringsprosjekter på jernbane. Vi kjenner alle til de store utbyggingene fra denne byen mot Hønefoss, Skien, Halden og Lillehammer. Denne salen har også planlagt store utbedringer i Rogaland, Nordland, Trøndelag og Hordaland de nærmeste årene. Det er også i gang uttesting og montering av nytt og bedre signalanlegg i hele landet. Alt dette er bra. Alt dette er nødvendig. Men når planene for jernbanen aldri har vært større, og vi øker bevilgningene til vedlikehold, er det underlig at entreprenørene sliter. Jeg vil kalle det jernbanepolitikkens paradoks. Jeg har hatt møter med flere entreprenører i jernbanesektoren. Én kunne fortelle meg at i 2013 måtte de nedbemanne fra 180 til 125 ansatte på svært kort tid. Det er en voldsom nedbemanning for et hvilket som helst firma. Det er en enda mer voldsom nedbemanning for et firma i en bransje som vet at det er mer behov for dem i årene som kommer. Jeg har også møtt utenlandske aktører som i den store vekstperioden har etablert seg i det norske markedet. Disse er viktige. De kan gjøre store utbygginger og kan i mellomtiden ta mindre oppdrag i Norge og bli kjent med særnorske forhold. Det triste er at de dessverre har blitt mer kjent med særnorske forhold enn med jernbanen. Store selskaper som Strukton, Balfour Beatty og Spitzke har trukket seg ut. Det er synd. For å få til de største investeringene i årene som kommer er vi avhengige av å være attraktive for de store aktørene. Men hvorfor trekker de seg ut? Hvorfor må de nedbemanne, må vi spørre oss. Jeg tror det er tre forhold vi trenger å ta tak i. For det første: Det ser ut til at systemet ofte står i veien for at vi får en mer effektiv offentlig sektor. Særlig hindrer systemet private aktørers positive bidrag til verdiskaping og bygging av infrastruktur eller velferd. Vi kjenner alle liknende saker fra barnevernet og rusomsorgen, der det offentlige gjennom uforutsigbart og rigid regelverk i praksis har gitt brukerne et dårligere tilbud. Det samme ser vi tendensen til i jernbanesektoren. Det er trist at det er sånn.

Det er heller ingen automatikk i hva Jernbaneverket gjør selv, og hva de setter ut på anbud. Jernbaneverket har heller ikke meddelt noen åpen, offentlig strategi om hva Jernbaneverket skal ha av kompetanse og maskiner selv, og hva andre kan tilby. For det andre: Når økte bevilgninger ikke fører til økt fart i arbeidet med mer og bedre jernbane, får vi et tillitsproblem mellom borgerne og politikken, mellom innbyggerne og offentlig sektor. stadig økende kostnadsbruk i offentlig sektor må føre med seg bedre tjenester og infrastruktur til innbyggerne. Statsråden og Venstre er enige om at det ikke er penger brukt, men prosjekter gjennomført som er viktig i transportpolitikken for folk og for næringslivet. Den store byråkratveksten i offentlig sektor generelt og – i dette tilfellet – Jernbaneverket spesielt må være begrunnet og fornuftig. Det må føre til at mer jernbane blir bygd smartere og raskere. Det må føre til at mer jernbane blir vedlikeholdt. Om vi ikke kan vise til det, blir tilliten til offentlig sektor svakere, uten at norsk infrastruktur blir bedre. For det tredje: Når det offentlige har en uklar strategi om hva de skal gjøre, fører det til en klønete bruk av penger, Det hadde derfor vært fint om statsråden redegjorde for hva Jernbaneverkets strategi for egenproduksjon er, slik at det blir lettere for aktørene å skjønne når de arbeider med en konkurrent, og når de arbeider med en kunde. Det hadde også vært fint å høre om statsråden ønsker at det offentlige skal drive storstilt egenproduksjon, og i så fall hva slags og hvordan. hvordan. Vi vet at Jernbaneverket har planer om å investere i maskiner for 2 mrd. kr i inneværende periode ifølge Nasjonal transportplan, men vi vet ikke i hva slags maskiner. Nå kommer vi tilbake til de maskinene jeg nevnte i begynnelsen. Samtidig som Jernbaneverket planlegger milliardinvesteringer i maskiner, har flere av de private entreprenørene brukt millioner på å kjøpe de samme maskinene som Jernbaneverket planlegger å kjøpe. Flere av de private melder om at de i oppgangsperioden har investert mye i nytt og tilpasset utstyr for å kunne ta de oppdragene som er ventet i årene som kommer. I verste fall står maskinene ubrukt og er bare egenkapital og nedskrivningsobjekter. Alt dette og mer viser at det er behov for en Venstre ønsker at grunnlaget for denne blir lagt så tidlig som mulig. Målet i jernbanereformen må ikke være privatisering, men forutsigbar og fornuftig styring av jernbanesektoren til det beste for pendlere, utbyggere, gods og klima. Så dette er altså bakteppet for at jeg har invitert samferdselsministeren hit i dag – det er ikke for å forlenge dagen. Men jeg mener dette er en viktig debatt. Jeg vil gjerne diskutere hva vi kan gjøre for å bruke pengene våre fornuftig så vi får mest mulig vedlikehold ut av disse pengene, og hva vi kan gjøre for at de private aktørene får best mulig

og som jeg har sterke intensjoner om å gjøre mye med i løpet av de årene vi har foran oss. Vi har faktisk allerede begynt å gjøre mye med det, og jeg skal komme inn på det. Denne regjeringen satser betydelig på jernbane. Sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti fikk vi til en betydelig økning i bevilgningene for inneværende års budsjett. Men som representanten tar opp: Dette handler ikke bare om hvor mye penger en bør bevilge, det handler også om hvordan vi drifter jernbanen, hvordan vi styrer investeringene, og om hvilke incentiver og strukturer som er på plass. Vi har tatt raskere beslutninger for å få gjort vedtak om hvor godsterminaler skal ligge, nettopp fordi det er viktig å ha framdrift i prosessene og ikke utsette dem i mange år, sånn som det var lagt opp til, i påvente av en godsanalyse. Skal en få mer gods over på jernbane og vekk fra vei, må en ha effektive terminaler med lave kostnader, effektiv drift og forutsigbar oppetid. Det er en vesentlig del av kostnadsstrukturene i jernbanesektoren. Det er ikke bare driften av lokomotiv og godsvogner, det er også endepunktene. Vi har bedret rutetilbudet en del steder, og vi har lagt opp til at vi skal både fordoble antall avganger på Sørlandsbanen og forlenge pendelen på Trønderbanen – allerede fra desember 2014. 2014. Det tror jeg også vi skal få flertall for i Stortinget uten særlig problem. Så har vi satt i gang diskusjoner på mer formell basis når det gjelder å få koblet oss til utlandet. Det gjelder spesielt koblinger – naturlig nok – via Sverige, for å se på Gøteborg–Stockholm, oppe i Trøndelag og, ikke minst, i Ofotbanen. Her er det viktig at vi koordinerer investeringer, sånn at nytteverdier faktisk realiseres koordinert mellom landene, og at vi ikke planlegger hver for oss. oss. Så er det viktig i dette arbeidet, når vi diskuterer hvor mye penger som bevilges, at vi også ser at det er en forskjell på om en investerer i nye traseer – som kan være viktig enkelte steder – eller om en heller bruker tid og penger på vedlikehold av det en allerede har. Ikke minst for godstransporten er vedlikehold sannsynligvis viktigere enn å bygge nye traseer, for det handler om oppetid, og det handler om forutsigbarhet i å komme fram med varene når man skal. Om det tar 15 minutter mer eller mindre er ikke så viktig så lenge man kommer når man har lovet. Vedlikehold er også viktig, for det handler om punktlighet for pendlere. Det er ikke mange år siden det var kaos rundt Oslo S i lang tid fordi kjøreledninger og andre ting ikke fungerte som de skulle. Dette gjør at færre folk tar jernbane, rett og slett fordi det ikke kan garanteres at de kommer på jobb tidsnok. Punktligheten hos NSB er nå veldig god veldig mange steder. Spesielt i Oslo-området er den blitt veldig god det siste

Vi jobber for å få et bedre marked for entreprenørene. Det er flere grunner til at det ikke har vært godt nok. Noen av dem tror jeg gjerne kan være ideologiske. Noe handler rett og slett om bevilgningsmessige ting, rett og slett fordi når Jernbaneverket ikke har så mye penger å bevilge til vedlikehold, har de ikke så mange muligheter til å sette ut kontrakter. Disse bevilgningene har variert litt opp og ned. Det er veldig hyggelig de årene de får et pluss, men de årene de må kutte veldig, så mange muligheter til å sette ut kontrakter. Disse bevilgningene har variert litt opp og ned. Det er veldig hyggelig de årene de får et pluss, men de årene de må kutte veldig, skaper det en veldig vanskelig situasjon for de private entreprenørene i markedet. Dette tar vi sikte på å gjøre noe med. Derfor er det naturlig at jeg bruker lite grann tid på å se på fjoråret, 2013, fordi det viser problemene som skapes Det førte til konkurser, det førte til permitteringer og oppsigelser i leverandørmarkedet, og det økte vedlikeholdsetterslepet i infrastruktur. I budsjettet for 2013 ble altså bevilgningene fra Stortinget til drift og vedlikehold redusert med 170 mill. kr. Det er et relativt lite beløp, men allikevel stort nok for de entreprenørene det går men allikevel stort nok for de entreprenørene det går ut over. Det man ikke ser av et sånt overordnet tall, er at Jernbaneverkets driftsbudsjett for 2013 ble økt med 266 mill. kr, fordi man hadde et etterslep på utdaterte baksystemer som måtte oppdateres. Det er en jobb som Jernbaneverket gjør av mye selv. Men vedlikeholdsbudsjettet deres ble redusert med 436 mill. kr, altså nesten ½ mrd. kr mindre til vedlikeholdsmarkedet. Det merker man når man leverer tjenester eller anbud til Jernbaneverket. Fornyelsesbudsjettet ble redusert med nesten ½ mrd. kr, så ble det en liten økning på kollektivt vedlikehold. Men det er på fornyelse at mange av disse kan være med og bidra, gi kontrakter, planlegge vedlikehold og ha langtidsplaner. Reduksjonen i aktivitetsnivået til fornyelse i 2013 ga seg altså for de private entreprenørene utslag i mange av de negative tingene som er nevnt her. for de private entreprenørene utslag i mange av de negative tingene som er nevnt her. Denne regjeringen satser betydelig. I regjeringserklæringen skriver vi at vi skal «Synliggjøre forvaltningen av fellesskapets formuesverdier, og dermed også vedlikeholdsetterslepet, i de årlige budsjetter.» Og vi skal «Starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.» Derfor er jeg litt stolt når jeg kan vise til hva regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen har fått til.

levere gode nok tjenester verken for persontransport eller for godstransport. Det er viktig å sikre en positiv utvikling i leverandørmarkedet. Regjeringen tror på konkurranse, og vi tror at konkurranse også vil styrke måten man bruker pengene på til vedlikehold og investeringer i jernbanesektoren. Da er det viktig at vi har forutsigbare prioriteringer. Der kommer også infrastrukturfondet, som regjeringen og samarbeidspartiene har En planlagt vekst i dette gjør også at man har større grad av forutsigbarhet for hvor mye penger Jernbaneverket har til disse formålene framover. Det er viktig at de bevilgningene ikke svinger fra år til år, men at man har en jevn, forutsigbar vekst. Da er det mulig for Jernbaneverket å planlegge bedre og for entreprenørene å investere i utstyr, sånn at man vet at man faktisk kan bruke utstyret år etter år, i stedet for ett år å som står ubrukt neste år. Det er dårlig bedriftsøkonomi og dårlig samfunnsøkonomi. Det er avgjørende for konkurranseutsetting at det eksisterer et effektivt leverandørmarked. Vi har gitt beskjed til Jernbaneverket om at de må være med og bidra til at det skjer. I Jernbaneverket er de nå i ferd med å utarbeide en ny leverandørstrategi nettopp innenfor drift og vedlikehold. Det er i tråd med det som interpellanten også er opptatt av. Jeg vil følge opp dette, og jeg forventer at en ny leverandørstrategi vil bidra til at Jernbaneverket får en bedre og mer effektiv kommunikasjon med sitt leverandørmarked, og at de vil oppleve at Jernbaneverket blir mer forutsigbart på bestilling av drift og vedlikeholdstjenester. Dette har vi brukt mye tid på både med etatstyringsmøter og i mer uformelle samtaler når vi treffer folk som jobber i jernbanen. Jeg tror de tar signalene veldig tydelig.

Men når man ser tilbake på historien, er det ikke tvil om at det er nok av bedrifter – både norske og utenlandske – som har kompetanse og vil levere hvis de bare får en sjanse til å konkurrere og det er forutsigbart at markedet vil fungere over tid. Et effektivt vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen er også et sentralt tema i vårt arbeid med reformarbeidet i jernbanen. Dette vil også bli omtalt i en egen stortingsmelding om reformarbeid jernbanen. Dette vil også bli omtalt i en egen stortingsmelding om reformarbeid som jeg tenker å legge fram til høsten. Bevilgninger er en ting, systemene er en annen ting, men sammen vil de kunne gjøre at vi får en mer forutsigbar god vedlikeholdsstrategi og driftsstrategi på jernbaneinfrastrukturen. Det er en forutsetning for suksess både når det gjelder persontransport og når det gjelder godstransport i

Noe har allerede blitt gjort. De grepene som statsråden nevner med etatsmøtene, er gode grep, men jeg tror vi må ha flere nye tiltak, og noe mer må til. Denne interpellasjonen handler ikke bare om struktur og private aktører. Eksemplene jeg brukte i sted, er dessverre gode eksempler på at systemet hindrer at vi får vedlikeholdt jernbanenettet vårt. For tredje år på rad la Jernbaneverket fram en handlingsplan der bevilgningene til vedlikehold ble redusert. Dette ble gjort til tross for at de borgerlige partiene – eller de to i regjering og de to konstruktive samarbeidspartiene – fikk økt bevilgningene vesentlig fra Stoltenberg-regjeringens forslag. Den 18. mars uttalte Elisabeth Enger i Jernbaneverket at vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane er minst 17 mrd. kr. Det er mye penger, men det er nødvendig med disse pengene. Et godt vedlikeholdt jernbanenett er helt avgjørende for å få mer gods på bane, for å få mer persontrafikk på bane og for å øke tilliten til norsk jernbane. I dette bildet har entreprenørene helt klart en veldig viktig rolle. De er ikke bare tilbydere av maskiner og arbeidskraft, de har også høy kompetanse. Flere av de private aktørene melder at de har arbeidet med strategier for å kunne ta mer arbeid vinterstid. På På den måten vil vi få mer tid til å gjøre det som må gjøres om sommeren, om sommeren. Det er mer effektiv bruk av arbeidskraft og maskiner. Samtidig henger Jernbaneverket igjen, og en for stor andel av arbeidet gjøres i høysesongen. Det gjør arbeidet både dyrere og mindre effektivt. Det kan også virke som at Jernbaneverket fungerer bedre når det er Det kan se ut som at de heller utbedrer flomskader selv, enn å lyse ut til private å vedlikeholde grøfter og stikkrenner på forhånd. Som dere hører, har bransjen flere ideer om hvordan vedlikeholdsbudsjettene kan brukes mer effektivt, slik at vi får mest mulig ut av pengene vi bruker på å vedlikeholde jernbanen. Jernbanen er kritisk infrastruktur for folk og for næringsliv, og Stortinget har samlet gått inn for at den skal bli viktigere. Både klimapolitikken, tettstedspolitikken og næringspolitikken peker mot det. Da må vi sørge for at vi klarer å ta best mulig vare på den. Jeg vil gjerne stille et spørsmål til statsråden, og det er: Hva vil statsråden gjøre for å øke vedlikeholdet på norsk jernbane? Jeg er

men så har man en ganske stor snuoperasjon etter en periode der private aktører ikke nødvendigvis har vært det en har snakket høyest om når det gjelder å utføre oppgaver i det offentlige. Der vil min jobb fortsatt ta litt mer tid, er jeg nok redd for. Det er nok også det representanten opplever når han kritiserer at mye av vedlikeholdsoppdragene som nå gjøres, gjøres av Jernbaneverket selv – rett og slett fordi det er prosesser som har vært i gang Jeg har rett og slett tatt det bevisste valget at jeg ikke synes det er naturlig at Jernbaneverket avslutter vedlikeholdsoppgaver de er i gang med eller har planlagt til start, for så å utsette dem, konkurranseutsette dem eller legge dem ut i entreprenørmarkedet. Jeg tror det er viktig å få den justeringen i politikk som vi legger opp til, gradvis, ved at vi kikker på nye oppdrag framover og bruker systemet der, mens vi ikke forsinker de nødvendige vedlikeholdsoppgavene som vi allerede hadde eller var nær ved å påbegynne. Så kan godt representanten være uenig i den strategien, men for meg er det fornuftig. Det er hele veien sånn når man skal gjøre reformarbeid, at man må vurdere hvor mange saker man skal behandle innenfor det systemet som allerede finnes, og hvor mange saker man eventuelt skal utsette fordi man vil behandle dem i et nytt system som kanskje ikke er på plass før om litt tid. Der tror jeg vi må prøve å finne en balanse der vi ikke forsinker ting der alle er enige om at jobben i seg selv må gjøres, men der vi samtidig har tempo på å få endret holdningene og prinsippene som ligger til grunn for framtidige oppdrag som gjøres. Men når det gjelder de pengene som ble bevilget av regjeringen sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, har de gjort at man har fått gjort en viktig fornyelse på Sørlandsbanen når det gjelder kontaktledninger. Man har fått utvidet arbeidet med ERTMS – altså de nye signalanleggene. Norge har et av de eldste signalanleggene i europeisk sammenheng, noe som gjør at det er vanskelig å få reservedeler. Derfor har det vært prioritert som en del av fornyelsesarbeidet. Det hadde vært mulig å gjøre mye på Drammensbanen, men en utbedring av stasjonsområdet – når man først hadde stengt ned ting – gjør at man får mer igjen for pengene og kan unngå stans i tog senere. Det er også en del utbedringer etter flom i Gudbrandsdalen og andre steder – spesielt på Dovrebanen, som vi også mente det var viktig å få utbedret, rett og slett fordi så lenge situasjonen var som den var, skapte det forsinkelser og dermed uforutsigbarhet for godstransporten. Jeg har lyst til at vi skal få mer gods over på jernbane, ikke mindre, og derfor prioriterte vi som vi gjorde. Men kursen vår framover håper jeg at jeg har kommunisert ganske

Det at jernbanen kan garantere punktlighet, blir påpekt som det viktigste enkeltelement når bedriftene skal velge mellom godstransport både på vei og bane. Men også for oss som er togpendlere, er punktlighet, hastighet og kapasitet viktig. Som togpendler har jeg merket meg at regulariteten og påliteligheten er blitt mye bedre de senere årene, og det er slutt på den tiden hvor man kunne regne med at toget var forsinket og legge inn litt ekstra tid ved frokostbordet før man bega seg til stasjonen. I dag er det faktisk slik at jeg har inntrykk av at toget starter noen sekunder før togtabellen. Alt i alt er vel mine ringe erfaringer som togpendler at NSB og Jernbaneverket er langt bedre enn sitt rykte. At det av og til oppstår hendelser som den i Bergen nå, Jeg vil berømme daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og Jernbaneverket for den grundige jobben som ble gjort med Oslotunnelen gjennom to somre. Det å stenge Oslotunnelen for all som ga nødvendig tid til et omfattende rehabiliteringsarbeid, og det hjalp. Det er kanskje Jernbaneverkets store utfordring: Alt vedlikehold må nesten foregå mens det er trafikk på naboskinnene. Når dette er sagt, er det all mulig grunn til å ta et forsterket tak i det enorme etterslepet som er godt dokumentert, en jobb som må videreføres med økt styrke. Det er to forhold som representanten Abid Q. Raja berører i sin interpellasjon. Begge hører til under en felles overskrift: forutsigbarhet. Punkt 1 er årlige bevilgninger. Jernbaneverket har i møte med komiteen lagt stor vekt på betydningen av å ha forutsigbare rammer til årlig vedlikehold. Både fra Jernbaneverket og fra andre aktører i markedet er det påpekt at det er vanskelig å etablere et stort knippe aktører som kan påta seg oppdrag på anbud, når volumet varierer fra år til år. Det er én av faktorene som gjør at vi sitter igjen med få aktører med kompetanse på jernbanevedlikehold. Det skal en god økonomisk ryggrad til for å investere i maskiner som ikke er i kontinuerlig drift, men det er også vanskelig å beholde kvalifisert arbeidskraft. Det andre punktet som tas opp, er fordeling av Gjennom møtene med aktørene er det reist kritiske spørsmål om hvordan Jernbaneverket fordeler oppgavene mellom egenproduksjon og private aktører i markedet. Det synes som om Jernbaneverket i stor grad sikrer egenproduksjonen et høyt aktivitetsnivå, mens andre aktører må ta svingningene med den manglende forutsigbarhet dette medfører. Dette er i realiteten med på å undergrave bransjen. Det er dette som også interpellanten tar opp i sin interpellasjon, og som statsråden er inne på i sitt svar. Dette blir også et av hovedpunktene i den framtidige omorganisering av jernbanesektoren. Hva skal det framtidige Jernbaneverket være? Svaret på det kommer vi sikkert tilbake til. Jeg tror at uansett organisering vil det være i Jernbaneverkets interesse at det finnes et godt fagmiljø i og utenfor Jernbaneverket som kan bidra med vedlikehold i årene framover. Vi skal bygge mye jernbane, og vi skal vedlikeholde infrastrukturen på en bedre måte i årene framover. Da må vi sørge for at vi har kompetente fagmiljøer i alle ledd. Der har Jernbaneverket som den dominerende bestiller av denne type oppdrag et betydelig ansvar. Interpellanten reiser viktige spørsmål rundt vedlikehold og

Forutsigbarhet er et stikkord som er nevnt, og det vil jeg også understreke. I og rundt de større byene vil kollektivtransporten være den klart viktigste løsningen for å takle framtidens befolkningsvekst. Bare i Oslo viser nye tall at vi kan passere 1 million innbyggere om bare litt over 20 år. Dette stiller nettopp krav til punktlighet, men også til stor kapasitet inn og ut av byene, og det er interessant å registrere at jernbanen faktisk er populær. Flere og flere velger denne løsningen for sine daglige transportbehov – når det vel og merke er lagt til rette for det. Jeg synes det er interessant å registrere at også Fremskrittspartiet, som på 1990-tallet mente at jernbane var et dårlig egnet persontransporttilbud, nå klart har snudd. Regjeringen har ambisjoner om å vise handlekraft gjennom å etablere eget veiselskap, og det ønsker vi velkommen. Hva med jernbaneselskapet og organiseringen av hele jernbanesektoren? Regjeringen har invitert til idédugnad med frist for innspill den 9. mai i år. Vi venter i spenning på hva som kommer ut av det. Kristelig Folkeparti tror det er nødvendig med en omlegging og en jernbanesektoren. Vi har snakket om fornyelse av jernbanen nå i snart åtte år – nå ønsker vi å se handling, og vi ønsker konkrete resultater. Slik vi ser det, er det to hovedgrep som bør på plass. For det første må vi få et eget jernbaneselskap som kan gi en bedre jernbane enn det Jernbaneverket makter i dag, og vi bør få økt konkurranse, både når det gjelder personbefordringen og vedlikeholdsarbeidet. Vårt syn er at NSBs monopol i dag bør avvikles. Flere enn NSB og Flytoget bør kunne frakte passasjerer. Vi har ikke noe imot om Statens Jernväger, Flytoget eller andre frakter passasjerer på det norske jernbanenettet. Fra Kristelig Folkepartis side er vi opptatt av å få til en rigging rundt eierskap og drift som gjør at også NSB kan være en aktør som kan konkurrere på lik linje med andre selskaper. Vi tror at det skal være mulig å levere både flere og bedre persontogtjenester gjennom en omlegging og en fornyelse av sektoren. Vi tror også at en omorganisering av jernbanesektoren vil kunne skape flere muligheter for å slippe til private vedlikeholdsaktører. Det vil gi både økt entreprenørkompetanse på jernbaneanlegg samt bidra til å øke konkurransen med tanke på å få de beste løsninger

og fra Kristelig Folkepartis side er økt konkurranse på dette området ønskelig. Dette er ikke ny politikk, men det er først nå, med det nye politiske flertallet og med en offensiv statsråd, at vi kan få til den betydelige fornyelsen av jernbanen som vi så sårt trenger. Nå er det tid for handling! Jeg vil også takke interpellanten for et utrolig viktig tema – og temaet er

i 2013 ble det bevilget 5 187 mill. kr – altså en økning på 187 pst. Det er enormt, og det er klart at en slik økning stiller store krav til organisering og ledelse fra Jernbaneverkets side. Dette er et resultat av en klar prioritering fra regjeringa og fra statsråden, og fra Senterpartiets side, som har hatt statsråden i denne perioden,

Men det er altså likevel store etterslep, som mange har vært inne på, på nesten alle områder: stasjoner, spor, krysningsspor, planoverganger, kjøreledninger, styring, lys – ja, enhver som har vært i dette, har erfart hvordan virkeligheten er. Fra 1. desember 1996 og framover ble organiseringa av jernbanedrifta kraftig endret ved at en

I tillegg vet vi at Bondevik II-regjeringa sa opp mange ansatte i Jernbaneverket, og dermed fikk en mangel på fagfolk. For dette er et arbeid som er spesielt; det er ikke bare å ta folk fra andre bransjer – jernbane er spesielt, med sitt særpreg. Den rød-grønne regjeringa rettet jo da opp mye av dette og fikk tilbake mange fagfolk og har utdannet mange ungdommer. Jeg kjenner mange ungdommer som har trygge og gode arbeidsplasser i Jernbaneverket, og som er virkelig faglig interessert i jobben sin. Men fortsatt er det betydelige problemer med måten Jernbaneverket driftes på, og det er mange, mange som setter spørsmålstegn ved ledelsen i Jernbaneverket – fra topp til bunn – om dette er effektivt nok. Organisering av jernbanedrifta er derfor viktig, og for Senterpartiet er det viktig å organisere den innenfor en forvaltningsbedrift, og det er behov for å samle jernbanedrift – ikke splitte den opp, slik det har vært gjort. Det er viktig å diskutere og få avklart hva som skal være Jernbaneverkets driftsansvar når det gjelder anlegg og vedlikehold, og hva som skal settes bort til private. Det er helt opplagt at vi må ha en stor egenaktivitet i Jernbaneverket. Noe annet ville vært et dristig eksperiment, som vi har sett. Det må være en stor egenaktivitet, for her må en ha en stor kompetansebase som kan stå for en basis i det hele. Som representanten Raja fra Venstre sa, vil også Senterpartiet gjerne kalle det vi står overfor, en jernbanereform. Som representanten Raja sa, var det ikke privatisering som var hovedpoenget, men å samle jernbaneselskapet, samle organiseringa, slik at en får en ledelse og en organisering som er mer effektiv, og det var også å få mer forutsigbarhet. For forutsigbarhet er langsiktighet, og vi vet at forutsigbarhet gir økt kapasitet. Jeg kan ikke få sagt det sterkt nok: Forutsigbarhet gir økt kapasitet, både i den offentlige virksomheten og i den private virksomheten. Men det er altså viktig å ha med seg at her står vi overfor mye spesialkompetanse av folk, og dette må en styrke i egne rekker. Så vil jeg til slutt si at jeg håper regjeringa vil fortsette å øke bevilgningene til drift og vedlikehold kraftig. Dette kommer til å bli veldig krevende, for det er langt større status i å investere i nyanlegg enn å forbedre de små punkter som er helt nødvendige for den daglige drift, som vi her snakker om, nemlig vedlikehold og drift.
Neste taler er representanten Terje

og er med på å gjera offentlege fellesgode, som jernbane, betre. Min gode kollega Abid Q. Raja sa i stad – rett nok med litt høgare volum og tempo enn det eg er kapabel til – at offentleg sektor er avhengig av tillit. I eit land der det offentlege er ein så stor aktør som i Noreg, kviler det eit enormt ansvar på oss som forvaltar dei offentlege ressursane. I denne samanhengen betyr det ikkje minst at me sørgjer for at staten er ein profesjonell bestillar av tenester frå den private marknaden. Me må vera føreseielege, opne og ha kompetanse og autoritet til å ha ein viss fleksibilitet og tillit til dei som tilbyr slike tenester. Tilbakemeldingane me får, tyder på at me ikkje er der heilt enno. dei som tilbyr slike tenester. Tilbakemeldingane me får, tyder på at me ikkje er der heilt enno. Der er ingen klar og open strategi for kontraktstrukturar og storleik på anboda, heller ikkje frå Jernbaneverket. Det gjer det svært vanskeleg for dei private entreprenørane å planleggja før anboda plutseleg er i marknaden. Det vert òg unødvendig vanskeleg å tilsetja og investera, og dårlege anbodsrutinar gjer det rett og slett vanskeleg å driva ei verksemd optimalt – noko som i neste omgang kan dyrare løysingar for staten og fellesskapen. Trass i at leverandørbransjen har gjenteke bodskapen mange gonger dei siste åra, kjem ein etter måten stor del av anboda seint om vinteren eller tidleg om våren. Desse kunne vore fordelt over lengre tid med føresetnad om finansiering i statsbudsjettet. Det hadde gjort det enklare for bedriftene å planleggja neste arbeidsår og

men det vil i tillegg truleg medføra innsparingar i 10 milliardarsklassa. Sidan det er på tampen av ein lang dag, skal eg avgrensa meg til å gje statsråden honnør for dei tiltaka han skisserte i hovudinnlegget sitt, for å betra vilkåra for leverandørmarknaden i jernbanesektoren. Det er veldig bra Eg tillét meg likevel å utfordra statsråden til å konkretisera og utdjupa ytterlegare kva som kan gjerast for – så raskt som mogleg – å sikra at Jernbaneverket vert den innkjøparen feltet og leverandørbransjen fortener. Jeg vil takke interpellanten for muligheten til å diskutere jernbanevedlikehold. Jeg synes det er for – så raskt som mogleg – å sikra at Jernbaneverket vert den innkjøparen feltet og leverandørbransjen fortener. Jeg vil takke interpellanten for muligheten til å diskutere jernbanevedlikehold. Jeg synes det er ekstremt viktig at vi sørger for å ha en opplyst debatt om hvordan vi klarer å sikre tilstrekkelig langsiktighet i investeringene vi gjør, opp mot hva slags arbeid vi gjør for hele tiden å vil samtidig peke på to helt konkrete ting: Det ene er at jeg mener det er ekstremt viktig at vi, når vi diskuterer private entreprenørers plass i diskusjonen om ikke henfaller til en vulgærbeskrivelse av at verdiskaping er noe som skjer i privat sektor, og at hvis jernbanevedlikehold blir utført av private, er det verdiskaping, men hvis det utføres av det offentlige, med ansatte i Jernbaneverket, er det ikke verdiskaping. Det er det samme arbeidet som utføres, og verdien av det arbeidet som utføres, er like

utfasing av deler av Jernbaneverkets ansatte, noe som gjorde at man mistet viktig kompetanse i Jernbaneverket i en periode da det var behov for mer kompetanse, noe som vi merket veldig tydelig da vi overtok etter valget i 2005. Jeg vil advare mot at vi ender opp i en situasjon der vi ikke anerkjenner verdien av vedlikehold som gjøres i egen regi, for det er ingen tvil om at alle former for kontraktsmessige forhold mellom det offentlige og andre er kompliserende faktorer når det gjelder hvordan man får utført vedlikehold, og en effektiv ledelse av egen organisasjon i Jernbaneverket er den beste måten å sørge for et godt jernbanevedlikehold på.

for at folk og gods skal komme fram. Det er ikke noe vi driver med for at entreprenører skal finnes. De får betalt for den risikoen de tar, og det er streit, men da må de samtidig være klar over at det kan svinge. Jeg er også spent på å høre hva statsråden vil si på spørsmålet om jernbaneselskap, for man har nå ivret veldig for å få på for å få på plass et veiselskap i forbindelse med revidert. Jeg er interessert i å høre hva statsråden sier om det spørsmålet. Samtidig vil jeg uttrykke betydelig bekymring for Kristelig Folkepartis standpunkt når det gjelder privatisering, for denne debatten reises av Abid Q. Raja bl.a. for å peke på at det er behov for forutsigbarhet i bransjen, for å sikre best mulig utnyttelse av ressursene.

alle at det innebærer større usikkerhet for hvor stor organisasjon man skal ha og større usikkerhet på alle mulige måter. Jeg vil sterkt oppfordre Kristelig Folkepartis representant om å se på de landene som han mener lykkes best med jernbanesatsing, for da vil han se at de ikke er organisert etter en privatiseringsmodell – i hvert fall hvis han ser på de landene som jeg mener lykkes best med den satsingen. da vil han se at de ikke er organisert etter en privatiseringsmodell – i hvert fall hvis han ser på de landene som jeg mener lykkes best med den satsingen. Jeg vil aller først takke alle dem som har deltatt i debatten. Dette er en viktig debatt, for den handler om hvordan det offentlige bruker pengene sine, og den handler om hvordan vi skal forholde oss til private aktører. Det handler også om hvordan vi skal vedlikeholde infrastrukturen vår. vår. Jeg er enig med min kollega fra Akershus, Nils Aage Jegstad, som sier at vedlikeholdsetterslepet er en stor utfordring, og at flere storting og flere regjeringer har arvet dette. Men da må vi, dette stortinget, ville noe mer. Vi må ville ta mer grep, bruke mer penger og organisere bedre, slik at vi kan få ned dette etterslepet. Da må vi prøve å bryte opp dette arvemønsteret, slik at framtidige politikere slipper å få veldig store byrder i fanget. Statsråden var redd for at det jeg tar opp, kan bidra til å forsinke prosessen med å få til mer vedlikehold. Det er ikke målet. Målet mitt er at vi skal få ned forsinkelsene, at vi skal få opp vedlikeholdet, at vi skal effektivisere, og at vi må forebygge like mye og kanskje mer enn kun å reparere i ettertid. Målet er å få jernbanen til å gå både oftere og fortere, og at den er til å stole på. Da får man mer gods på banen, og man får flere til å bruke banen. Altså, mer gods bort fra vei, og flere folk bort fra bil og over til bane. Da reduseres våre utslipp. Det vil være bra for næringen, som sparer penger på dette. Man vil få mindre slitasje på veiene, noe som tungtransporten skaper. Man vil også bidra til å minske den ekstra risikoen som tungtransporten representerer på veiene. Jeg takker for den gode debatten. Venstre ønsker å få til veiene. Jeg takker for den gode debatten. Venstre ønsker å få til mer på jernbanen, og da er denne floken som jeg nå har tatt opp, en av flokene vi må løse. Jeg håper vi får løst denne floken raskt, slik at flere kloke hoder starter gode bedrifter, som leverer gode løsninger til norsk jernbane. Dersom vi får til det, tror jeg vi har fått til svært mye. Jeg takker interpellanten nok en gang, og jeg takker Stortinget for en god debatt. Det er viktig å fokusere på jernbanen og vedlikehold fordi det er en del av den store satsingen som

Den ene siden, som har styrt, har kommunisert en veldig tro på tung statsstyring, der konkurranse blir problematisk for om man skal legge ting ut på anbud og sånne ting. Konkurranseanbud handler jo om å definere hva en faktisk skal ha. Det er en oppgave en bør ha uavhengig av om det er statlig eller privat. Det blir altså gjort når man konkurranseutsetter. Dette i kontrast til flertallet, som har mer tro på at vi skal bruke den kompetanse og

Dette har en akseptert innenfor godstransport, og selv under forrige regjering. Jeg forstår ikke hvorfor det er så galt hvis en òg gjør det for persontransport. Der er det en logisk brist i kritikken fra de rød-grønne partiene. Det som òg kommer fram her, er at penger er viktig. Det er det ingen tvil om, men det som er et av mine poeng, og som jeg oppfatter at mange fra de andre borgerlige partiene også ser som et poeng, er at store svingninger i bevilgninger til vedlikehold ikke er heldig.

fordi de har også sine utgifter, sine vedlikeholdskostnader og sine ansatte som skal ha lønn. Det er problematisk når markedet plutselig forsvinner, og det er folk en må permittere eller si opp. Det er ikke bare når staten opplever svingninger at det er ubehagelig, det er også sånn i privat sektor. Jeg er også veldig glad for at en reiser diskusjonen som går på konkurranseutsetting, fordi NSB Gjøvikbanen er et eksempel på at det Til tross for relativt slitt materiell leverer en altså en tjeneste som de aller fleste kundene setter veldig pris på. Det er fordi dette handler òg om organisering og mentalitet, som NSB Gjøvikbanen virkelig har fått til. Konklusjonen er at vedlikeholdet er styrket. Rutetilbudet er utvidet. Godstransporten er styrket på terminalsiden og mye annet. Vi er på rett vei, men det er mye som gjenstår. Debatten i sak nr. 12 er dermed avsluttet. Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Det

er læreren, og jeg er